utviklingen av den norske selvforsyningsgraden når det gjelder matproduksjon. Det er fristende å spørre om hvilken målsetting som er viktigst for partiene som taler varmt for det økologiske. Er det økt matproduksjon samlet sett eller 15 pst. økologisk matproduksjon for enhver pris? Matjorda i Norge er under press. Grunnen matjorda gjerne er lokalisert rundt byer og tettsteder med voksesmerter. Vi trenger areal til offentlige formål og til boligbygging til en stadig voksende befolkning. Vi trenger også areal til utbygging av infrastruktur for å flytte oss fra A til B. Løsningen blir gjerne fortetting og bygging i høyden for å unngå ytterligere nedbygging av matjord. at de partier som gjerne skulle sett at jordvernet var grunnlovfestet, ikke nødvendigvis er de partier som står sterkest på krav om fortetting. Noen ynder å tegne et skremmebilde av at vi ikke kan overlate til markedet å være med på å bestemme utviklingen av det økologiske landbruket, men markedet består ikke av andre enn deg og meg, der vi daglig gjennom våre preferanser for matvarer i dagligvarehandelen velger hva som skal havne på vårt bord. Noen av oss er veldig opptatt av økologisk når vi velger matvarene, men den gjengse nordmann ser nok på prisen før matvarene endelig havner i handlekurven, mens vi går mellom butikkreolene. I Norge holder matvarer fra og Fremskrittspartiet er opptatt av at konvensjonell matproduksjon ikke skal prates ned. Det virker noe rart når en i store deler av verden snakker om manglende eller mangelfullt innhold av næringsstoffer i maten og i de verste tilfellene snakker om matmangel, mens vi i Norge i 2016 sitter og krangler om hvorvidt maten er økologisk nok. Det virker på meg meget besynderlig. Fremskrittspartiet er opptatt av å gi landbruket langsiktige og forutsigbare rammevilkår, uavhengig av om produksjonen skjer på konvensjonelt vis eller økologisk vis. Fremskrittspartiet utelukker ikke at økologisk landbruk vil kunne øke med tiden, men den største veksten vil nok trolig skje innenfor konvensjonelt landbruk. Slik sett vil nok økologisk matproduksjon kunne være et godt supplement til konvensjonell matproduksjon. Fremskrittspartiet er opptatt av å gi bonden gode vilkår, slik at han eller hun kan legge opp driften sin til å bli lønnsom og til å kunne gjøre det han eller hun kan best: produsere mat av høy kvalitet til ditt og mitt bord.

Som representanten Lundteigen frå Senterpartiet var inne på, er det slik at norsk landbruk i stort er ganske godt regulert. Det er til og med så godt regulert at fleire av oss har hatt ønske om å liberalisere store delar av det. Men i denne reguleringa ligg altså for all konvensjonell produksjon ei forståing av er sett i samanheng med kva som er etterspurt i marknaden – ei marknadsbasert tilnærming til korleis vi vel å stimulere produksjonen på ulikt vis. Det gjer at vi har marknadsreguleringsordningar, det gjer at vi har marknadsbalanseringsordningar, og det har det vore brei tilslutning til i Stortinget, spesielt frå dei partia som i dag kritiserer at produksjonen av økologisk mat i stort er kopla opp mot kva som er etterspurt. For det er den grunnleggjande utfordringa vi står overfor: Korleis sørgjer vi for at vi produserer den maten som forbrukarane etterspør? Riksrevisjonen peikar på at ein ikkje har nådd målsetjinga om at 15 pst. av norsk jordbruksproduksjon og 15 pst. av forbruket skal vere økologisk innan 2020. Eg er einig i at det er eit ambisiøst mål, eg er einig med dei som har sagt det tidlegare, og det vil vere krevjande å nå det. Samtidig trur eg at eg skal vere ærleg på at eg meiner det er nødvendig at det er ein balanse mellom desse to 15 pst.-måla. Dersom det ikkje er forbruk og etterspørsel, bør vi produsere konvensjonelt. Dersom forbruket endrar seg og etterspørselen går opp, bør produksjonen følgje med. Det har vore det berande i norsk jordbrukspolitikk over tid, at vi innrettar politikken slik. Då kjem vi til kjernen av det som er Riksrevisjonens konklusjonar, og det er samanhengen mellom det som er etterspurt og det som er produsert, opp mot Stortingets målsetjing. Eg registrerer kritikken av Landbruks- og matdepartementet frå ulike representantar i salen i dag. Samtidig føler eg behov for å klargjere at det er den regjeringa som til kvar tid sit, som svarer for desse måla og måloppnåinga. Det gjer at denne regjeringa er ansvarleg for dei to åra som vi har regjert, og som omfattar denne perioden. Og det betyr at Senterpartiet er ansvarleg for dei andre åtte åra i perioden. Eg reagerer på at representanten Lundteigen så tydeleg seier at det er bevisst dobbeltkommunikasjon frå departementet over tid, og at departementet på bakgrunn av det må skjerpe seg. Ein frå departementet over tid, og at departementet på bakgrunn av det må skjerpe seg. Ein slik kritikk av eiga regjering, som sat frå 2005 til 2013, er det lenge sidan eg har høyrt. Samtidig er det slik at eg tek på alvor den oppgåva som Landbruks- og matdepartementet har, om å nå dei måla Stortinget har sett seg. Det skal vi gjere fortløpande. I årets jordbruksavtale som er inngått mellom staten og Norges Bondelag, men som endå ikkje er sluttbehandla i Stortinget, meiner eg at vi brukar noko av det økonomiske handlingsrommet vi har, til på nytt å stimulere den økologiske produksjonen. At det ikkje er nok pst.-målet allereie i 2017, trur eg vi kan leggje til grunn, men det er eit bevisst politisk val å vri stimulans over på auka produksjon der det er marknadsmoglegheiter. Men det er også slik at om lag halvparten av den mjølka vi produserer som økologisk mjølk, vert slått i lag med den konvensjonelle og selt som konvensjonell vare. To tredelar av kjøtet som vert produsert, gjer vi det same med i gjer vi det same med i periodar, vi flyttar det frå økologisk-merket, riv merkelappen av dyra etter at dei er slakta, og blandar det i konvensjonell produksjon – fordi det er manglande etterspørsel. Og då er spørsmålet som også Stortinget kjem til å verte invitert til ein debatt om: I kva grad skal den økologiske målsetjinga hengje saman med den etterspørselen som er i Eg kjem til å drøfte dette i den jordbruksmeldinga regjeringa kjem til å levere i neste stortingssesjon, fordi eg meiner dei er relevante, dei innvendingane som også representanten Lundteigen og representantar frå både SV og Miljøpartiet Dei Grøne kjem med i dag, nemleg at det bør vere ein samanheng mellom dei måla Stortinget set, og kva som er realistisk å oppnå, på den eine sida, men eg meiner det er grunnlag for å kople det tett på

at vi brukar den økologiske produksjonen som ein læringsarena for det konvensjonelle jordbruket. Men det er openbert også slik at noko av det beste vi har med norsk matproduksjon, er høg tillit blant forbrukarane når det gjeld måten vi produserer maten vår på. Vi produserer ikkje mat i det som enkelte likar å definere som eit industrialisert jordbruk i Noreg. produserer basert på dei ressursane vi har tilgjengeleg, og vi produserer på ein måte som gjer at forbrukarane har høg tillit. Norske bønder har i generasjonar avla friske dyr framfor å medisinere dei sjuke. Norske bønder har i årevis og i generasjonar brukt utmarksressursane våre til å hauste gode fôrressursar og til å bidra til å produsere produkt som har høg tillit blant forbrukarane. At det er vanskelegare å nå nye marknader basert på ein økologisk produksjon i Noreg enn det vil vere i land der det er større avstand mellom den konvensjonelle produksjonen og den økologiske, har eg ikkje grunnlag for å slå fast, men eg meiner det er grunnlag for å problematisere det spørsmålet, først og fremst med tanke på at det er noko av det mest positive vi har med norsk jordbruksproduksjon i stort. Eg meiner at Riksrevisjonen peikar på mange relevante problemstillingar om korleis økologisk-målet har vore handtert over tid. Det gjer at eg vil kome igjen med ei ytterlegare problematisering rundt dette i den komande jordbruksmeldinga, og eg vil ta på alvor dei signala som kjem frå Stortinget om at som ein konsekvens av det som vi melde i jordbruksmeldinga, er det naturleg å følgje det opp med ein konkret strategi på korleis vi handterer dette vidare. Det med ein konkret strategi på korleis vi handterer dette vidare. Det blir replikkordskifte. Stortingets målsettinger er veldig tydelige. De går, punkt 1, på 15 pst. av forbruk og, punkt 2, 15 pst. av areal og 15 pst. av husdyrbruk, i sum 15 pst. av produksjonen. Det som er min rolle i kontrollkomiteen, er å kontrollere at Stortingets vedtak blir fulgt, og jeg følger det standpunktet uansett hvem som har regjeringsansvar på det tidspunktet, og det er kulturen i komiteen. Det hadde vært svært vanskelig å oppnå så svake resultater dersom en virkelig hadde ment det som var målsettingene, så her er det ikke på stell. Jeg er helt enig i at det skal være nødvendig med balanse, det er første bud, og det er jeg den sterkeste talsmann for, men mitt spørsmål er: Vil statsråden nå fremme de nødvendige virkemidler for å realisere Stortingets mål om å øke produksjon og forbruk innen 2020 – en har bare fem år på seg? Eg synest innleiinga til representanten Lundteigen er oppklarande. Eg innser at det er kontrollkomiteens posisjon. Men det eg reagerte på, var ein så einsidig kritikk av departementet, når det er eg som er konstitusjonelt ansvarleg. Samtidig er det slik at så lenge Stortinget har eit mål om ein balansert 15 pst. produksjon og 15 pst. forbruk av økologisk mat, er det mi oppgåve å følgje opp det. Det vil eg gjere, og det har eg gjort – også gjennom årets jordbruksavtale, der vi vrir ressursar som vart frigjorde fordi produksjonen gjekk ned, og i staden for å bruke dei til konvensjonell produksjon forsterkar vi for å stimulere den økologiske produksjonen. Det er eitt konkret eksempel på konkret handling som skjer dersom Stortinget sluttar seg til det forslaget som er lagt fram når det gjeld jordbruksavtalen. Mitt spørsmål var rimelig presist: Vil statsråden fremme de nødvendige virkemidler for å realisere Stortingets mål? Jeg har definert her ut fra statistikk hvordan det står til. Det er altså nesten så langt vekk fra målet som en kan komme. Det er sist vedtatt i 2010, og nå er vi i 2016. Jeg er helt enig i at det er forbruket som er nummer én, det er jo forbruket som må opp, og da kunne kanskje statsråden starte med det samfunnsansvar som de store kjedene har. Det er tre kjeder, som opererer innenfor et nasjonalt marked, som har et samfunnsansvar for å sikre sunn og trygg mat. Burde ikke da statsråden ta initiativ til at de markedsfører økologiske produkter på en mye mer offensiv måte, slik at en i første omgang i hvert fall får solgt alt det som er produsert økologisk, som økologisk? Eg kjem ikkje til å ta initiativ til å påleggje private selskap å reklamere for spesielle produktseriar. Eg meiner det er grunnlag for å få auka etterspørsel basert på den økonomiske produksjonen på anna vis. Det vil eg følgje opp, som eg no har varsla direkte frå Stortingets talarstol, først gjennom ei jordbruksmelding der vi utfordrar Stortinget på korleis vi skal handtere dette i fellesskap. Punkt 2 er å følgje opp det gjennom ein konkret strategi på korleis vi gjer dette for tida som kjem. Så får tida vise i kva grad og kor sterkt vi skal fase inn nye I mange tilfelle betyr forsterka innsats på eitt område redusert innsats på eit anna, og då er eg ikkje sikker på om Senterpartiet vil synast at redusert satsing på konvensjonell produksjon – for å vri det mot økologisk – nødvendigvis er det einaste rette.

hvor det brukes enorme midler på å få forbrukerne til å ha den forbruksadferden som forskjellige tilbydere ønsker at vi skal ha, og det er helt åpenbart at ingen i markedet stoler på at forbrukerne kan gjøre sine egne valg, enten det gjelder bukser eller biler eller biff. I landbruket brukes det store midler på å få folk til å kjøpe kjøtt og i matproduksjonen for øvrig Mener statsråden at akkurat økomat-produksjonen er det eneste feltet i det norske næringslivet og handelen som skal klare seg helt uten aktive markedsføringsmidler, og så – nærmest ved et under – vokse av seg selv?

kan vi ikkje lese direkte påverknad på forbrukarane sitt faktiske handlingsmønster. Det handlar om at vi er nøydde til å sjå heile jordbrukspolitikken under eitt. Så må vi sjå på kva som fungerer best, og eg er ikkje brått sikker på at generisk marknadsføring er det mest målretta tiltaket for å få opp den økologiske produksjonen. Eg trur det er meir målretta å stimulere den økologiske produksjonen direkte. Det har eg føreslått i årets jordbruksforhandlingar, og vi er einige med Bondelaget om ein avtale som legg til grunn at vi skal få til det. Først sier statsråden at det er markedets etterspørsel som skal få fram produksjonen, og når han da blir spurt om det ikke er nødvendig med sterkere markedsordninger for økologisk landbruk, svarer han at da skal det Så jeg tror statsråden må bestemme seg. Jeg har vært en entusiast for dette i mange år, men jeg har måttet leke Frøken detektiv mange ganger i butikker, og når jeg finner varene, ligger de bakerst, ser litt dårlige ut og er dobbelt så dyre som de andre. Det er ikke en markedsføringsstrategi som noen andre ville ha brukt, og det trengs sterkere markedsordninger fra statens side Det er jo slik at får en det en skal ha, på tilbud, og gjerne med litt lokkepriser også, snur folks forbruksmønster seg. Det virker. Vil statsråden øke markedsordningene for økologisk landbruk? Eg er fast bestemt, og det har vore ein logikk i heile resonnementet mitt, og det handlar om at der vi har overproduksjon, vi ikkje brukt store ressursar på økologisk produksjon for å stimulere til ytterlegare overproduksjon. Men der vi ser at vi taper marknadsdelar fordi vi importerer maten, bidreg vi til ei styrking gjennom jordbruksavtalen som no ligg til behandling i Stortinget. Så dette meiner eg er logisk og i tråd med det eg har sagt tidlegare. Når det gjeld i kva grad ulike representantar må leite seg fram til Så dette meiner eg er logisk og i tråd med det eg har sagt tidlegare. Når det gjeld i kva grad ulike representantar må leite seg fram til den økologiske maten, opplever eg at det er ei reell utfordring at sortimentet ikkje er like stort som i den konvensjonelle produksjonen. Men det er openbert slik, og det meiner eg, at ein overdriv veldig når ein framstiller økologiske produkt som noko gammalt sarv som ligg bakarst i hyllene.

handlemønsteret. Det viser at vi produserer meir økologisk enn det vi faktisk omset. Det er ei utfordring, men det er ei utfordring først og fremst fordi vi har eit landbruk med høg tillit, og vi har eit litt smalt varesortiment på ein del økologisk produksjon, og ein del av det økologiske konsumet vi har, er basert på importerte varer. Det gjev mindre marknadspotensial for norsk produksjon. Men eg trur at når vi har eigne slakteri, bondeeigde, når vi har eigne meieri, bondeeigde, som betaler for desse økologiske produkta inn, ligg det veldig mange sterkare incentiv i å sørgje for å få dei produkta ut igjen til forbrukarane enn eg klarer å løyse med generisk marknadsføring. Replikkordskiftet er over. Under henvisning til et helt annet produksjonssystem enn det vi har, og ikke minst et annet politisk system enn det vi har, for å gjennomføre en, skal vi si, noe teoretisk målsetting. målsetting. Da vil jeg benytte anledningen til å reklamere litt for et uskyldig lite avsnitt i innstillingen, for der har det nemlig dannet seg et flertall av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, som «antar at den viktigste årsaken til at målet for økologisk matproduksjon ikke nås, er at etterspørselen etter økologiske matvarer er for lav». Ja, det er sannheten. Vi har altså et produksjonssystem som gjør at det er kundene som bestemmer hva som kommer i hyllene. Hvis man griper inn med for sterk grad av subsidiering, forbud eller på annen måte, blir nettopp produksjonen ineffektiv. Da kan man jo snakke med dem i dagligvarehandelen som må kaste økologisk mat ved stengetid fordi den ikke har holdbarhetskvaliteter i fullt monn. Man kan tenke på hva som ligger av ressursspille i det, og selvfølgelig også at noe økologisk mat er dyrere å drive frem enn annen mat, hvilket heller ikke er bærekraftig. Jeg merker meg at det i debatten har vært et aldri så lite snev av paternalisme. Man snakker om befolkningen. Men det er jo ingen her som forbrukere som har klaget over at man ikke har fått – kanskje med unntak av representanten Andersen, som mente at varene lå lenger inne på hyllene. Som forbrukere er det imidlertid ikke noe til hinder for at vi kan sammensette vår matseddel og vår innkjøpskurv slik vi vil. Den kritikken som enkelte har rettet mot Landbruksdepartementet, er i virkeligheten en kritikk mot det norske folk for at de ikke innser sitt eget beste. Representanten Karin Andersen var inne på det også i sitt innlegg, at forbrukerne er nemlig ikke overbevist om at økologisk mat gir dem den kvaliteten, eller kvalitet, som hun var inne på, og vi kan legge til i forhold til den prisen som de er villig til å betale, slik at argumentet videre blir slik at argumentet videre blir at en høy andel av konvensjonell jordbruksproduksjon ikke skulle være bærekraftig. Ja, men så får vi angripe det, og jeg regner med at særlig Senterpartiet vil legge inn et godt ord for konvensjonell jordbruksproduksjon, at den er bærekraftig. Vi hører jo stadig at konvensjonell norsk mat er i og det kan også være en del av forklaringen, nemlig at den klarer seg utmerket nettopp fordi den er betryggende overfor forbrukerne våre. Hvis noen skal kritiseres i denne sal, er det kanskje Stortinget selv, for å ha urealistiske mål. Hvordan skal egentlig såpass teoretiske mål som disse prosentmålene egentlig er? Jeg synes man også får en viss fornemmelse av at man ikke helt vet hvordan man skal få realisert disse målene, når man ser de tiltakene som anbefales. Det er fire strekpunkter, hvorav det første er en «oppdatert helhetlig strategi», som egentlig er nytale for at det hadde vært fint hvis noen hadde noen ideer, men vi har dem i hvert fall ikke. Og så er det «jordbruksoppgjøret». Ja, det er vel det samme, at man kan sikkert få motivert noen, man kan betale noen mer for å sammensette produksjonen, men det er jo heller ikke bærekraftig overfor forbrukernes valg. valg. Så er det det tredje, at staten, når den selv er innkjøper, skal bruke «økologisk mat». Ja, det er der staten altså setter til side andre enkeltpersoners etterspørsel, hvis de selv hadde hatt valget. De kan selvfølgelig overprøve folks valg, og så kan de si at i statens kantiner skal det bare spises politisk korrekt mat. Det siste

og vi ønsker å bruke det for å nå de mål som Stortinget setter. Ingen har sagt at de mål som Stortinget har satt på dette området, ikke kan nås med det systemet vi har, produksjonsmessig og politisk. Det er ingen som har sagt at ikke konvensjonell mat er bra. Det vi diskuterer nå, er økologisk mat. Så sier representanten Tetzschner at det som bl.a. jeg står for, er en skuffelse over konsumentene. Nei, det er ikke det. Jeg har lyst til å stille det grunnleggende spørsmålet som Fremskrittspartiet avklarte: Deler partiet Høyre målet om 15 pst. på alle nivåer, forbruk og produksjon av økologisk mat? Ja, eller nei? Ja, nå er det ikke slik at jeg føler meg bundet av det vedtaket. Jeg tror ikke – i motsetning til representanten Lundteigen – det er et vedtak som lar seg realisere innenfor de virkemidlene vi er villige til å bruke i en forbrukerdrevet markedsøkonomi hvor det er kundene som bestemmer hva som kommer i hyllene. Jeg vil takke for svaret. Det

Er ikke det å føre folk og systemer bak lyset med de store kostnadene det innebærer, når man ikke mener noe med det en gir inntrykk av at en er for? Vi har formulert følgende på side 7 i innstillingen, første spalte, sammen med andre partier riktignok,

advokert for. Det er også derfor vi heller ikke er med på noen av forslagene fra mindretallet, og særlig ikke der hvor Senterpartiet inngår. Replikkordskiftet er omme. Jeg er veldig glad for den diskusjonen som utvikler seg her, for nå får vi klargjort nærmere hva de enkelte partiene i virkeligheten står for. Vi har fått klargjort at Fremskrittspartiet ikke er tilhenger av målet om 15 pst., og representanten Tetzschner kan jeg heller ikke forstå annerledes enn at han på vegne av Høyre ikke støtter det. Så refereres det til forbrukerne. Vi snakker her om mat og drikke innenfor et importvern, hvor de som er aktører, er aktører, i all hovedsak er tre store kjeder. De kjedene har en makt som er utrolig stor i forhold til forbrukerens valg. Jeg skal ta ett eksempel på hvordan kjedenes makt kan brukes på en positiv og – vil jeg si – forbilledlig måte. Hvilken kjede og hvilken sak tenker jeg på? Jeg tenker på NorgesGruppen, Jeg tenker på NorgesGruppen, jeg tenker på kylling, jeg tenker på det faktum at fram til det siste ble kylling i Norge produsert med et stoff som heter narasin, som det er dokumentert er et antibiotikum. Så tok NorgesGruppen samfunnsansvar og sa at de ønsket å komme vekk fra det å komme vekk fra det å selge kylling som er produsert ved hjelp av et antibiotikum. NorgesGruppen har maktet å få store resultater. Forbrukerne har blitt klar over hva vi her snakker om, produsentene har lagt seg i selen og har endret sin produksjonsmåte. Det er til begge parters store gunst oppnådd resultater som sier at nå er det nærmest ikke lenger produksjon av kyllingkjøtt i Norge basert på dette narasinet. Det er virkelig å ta samfunnsansvar av en kjede som har en betydelig makt. Ellers vil jeg svare på et viktig spørsmål fra representanten Holthe. Han sa at jeg her snakket varmt for det økologiske og ikke om det konvensjonelle og om sjølforsyningsgrad. Det er helt korrekt. Jeg vil klargjøre at dersom målet om økologisk jordbruk og økologisk produksjon står i motsetning til sjølforsyningsgraden, er det sjølforsyningsgraden som er viktigst, for sjølforsyningsgraden sier på kaloribasis hvilken evne Norge har til å forsyne lands innbyggere med mat produsert i Norge. Basisen for maten produsert i Norge er planteproduksjonen, og planteproduksjonen er et resultat av arealet som brukes, innmark og utmark, og den avling som en henter på hver arealenhet. Det er opplagt opplagt at ved en økologisk produksjonsmåte, hvor en ikke bruker kunstgjødsel, altså ikke tilfører nitrogen basert på en kjemisk prosess og fosfor og kalium på en tilsvarende kjemisk prosess, skal en være meget dyktig for å greie å opprettholde avlingsnivået bare ved grønngjødsling eller ved Så det klare svaret til representanten Holthe er at det er sjølforsyningsgraden som er det viktigste. Det innebærer at vi er nødt til å øke antall arealer i drift, og vi er nødt til å øke avlingene. Det er det som er den store utfordringa. Men saken i dag er om hvordan kontrollkomiteen og Stortinget stiller seg til de mål som er vedtatt. Hvis en mener at disse mål skal forlates, gjør en det. Hvis en mener at disse mål ikke skal forlates, gjennomfører en målene. Jeg har her påpekt at en nå bare har fem år på seg på å nå målene. Det er meget, meget krevende. Og jeg har sagt at det første er å få opp forbruket, for å få et sug i markedet og dermed få en «drive» i hele situasjonen, sånn at skal stette det som er forbruket – helt opplagt. Representanten Karin Andersen var inne på at økologisk jordbruk er sunnere for jorda. Jeg er enig i det, i den forstand at i et økologisk jordbruk er det ikke lov til å bruke sprøytemidler. Sprøytemidler dreper ugras, dreper sopp, dreper lus og Sprøytemidler dreper ugras, dreper sopp, dreper lus og påvirker hele bakterielivet i jorda. Så Karin Andersen har, etter min vurdering, dekning for det. Men jeg vil si at økologisk jordbruk også framskaffer produkter som er sunnere for forbrukeren. Alle som kjenner til produksjonsmåter, vet at en del av det en tilfører en produksjon, vil være med videre i produktet

Jeg vil bare avslutte med at Stortinget har klargjort mål. Jeg oppfatter at det i denne sal fortsatt er flertall for de målene, for det er bare to partier som har sagt at de vil gå vekk fra 15 pst.-målet. Det er Fremskrittspartiet og – slik jeg tolker det – Høyre. Det er derfor et flertall bak målene om 15 pst. Da er det vår oppgave å gjennomføre dem innenfor 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Det er fem år. år. Det er meget krevende å få til det. De som er imot å gjennomføre målene, må si det. Da får en ryddige diskusjoner her i Stortinget og folk kan forholde seg til at et ord er et ord. Neste taler er representanten Tom E.B. Holthe, som er sakens ordfører. Han har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til et innlegg på inntil 3 minutter. Jeg skal være kort. Det som fikk meg til å ta ordet, var representanten Hansson som sa at Fremskrittspartiet gjennom meg mente at økologisk landbruk var noe «tull». «Tull» er et uttrykk jeg ikke har brukt og aldri vil bruke om økologisk landbruk. Om representanten hadde fulgt med i mitt innlegg, han fått med seg at Fremskrittspartiet er for mangfoldet landbruket representerer, også gjennom det økologiske. Selv kommer jeg fra et fylke med mye nisjeproduksjon, og vi setter stor pris på det. Ikke minst kan og ønsker jeg som kokkefaglærer å gi uttrykk for at jeg gjennom mitt yrke setter stor pris på kvaliteten vi i dag får levert fra våre næringsdrivende innen landbruket.

politikk. Det er et ansvar som ulike statsråder må ta på seg, og som stortingsflertallet må ta på seg for å følge det opp hvis vi mener det fortsatt. Og det mener SV at vi skal. Det er gode grunner til å ville det, fordi vi nettopp må ta vare på matjorda framover sånn at den kan være levende og frisk i generasjoner.

men det er vanskelig å bevise, sjøl om det nå i den siste uka har kommet rapporter som både mener å fastslå dette, at det er bedre helse, og også tar opp alle disse skremslene om at økologisk produksjon vil være så lite effektiv at man ikke vil kunne produsere nok mat på den måten. Jo, det kan man nok, men da må man også sørge for at alle og at de blir brukt på en slik måte at de kan produsere sunt og lenge. Så er denne debatten rundt markedsføring merkelig. Partier som er veldig markedsorientert, mener tydeligvis at markedsføring på akkurat dette området ikke har noen betydning, for her velger forbrukerne helt fritt.

Selvfølgelig virker dette. Selvfølgelig virker lokkepriser, det viser seg jo. Da blir du kjent med produkter, det er jo derfor man bruker markedsføring. Fordi økologisk produksjon er viktig av grunnleggende viktige årsaker, er det viktig å få opp produksjonen, og da er det viktig at folk får mulighet til å bli kjent med produktene. Det går ikke av seg sjøl. sjøl. De som produserer konvensjonelt, og de som produserer veldig usunne ting som vi stapper i oss både sent og tidlig, bruker masse penger på markedsføring. Kjedene har også makt over hvordan varer plasseres i butikken. Det er ikke noen tvil om at de har det. De har avtaler om hva som er foran, hva som er nære deg. Hvor velger kundene mest varer, hvor plukker du med deg et eller annet når du bare går forbi? Ja, det er det masse studier av, og dette gjør alle butikkene. De vet jo hvor de plasserer varene for at de skal få solgt mest mulig av dem. Så ønsker vi å få opp produksjonen, og for at forbrukerne faktisk skal få øye på og mulighet til å velge dette, må vi gjøre ganske mye mer med markedsføringen av det, for alle de andre markedsfører jo så intenst og voldsomt sine produkter. så intenst og voldsomt sine produkter. Så det blir litt jomfrunalsk, synes jeg, når man sier at dette skal man liksom ikke markedsføre i det hele tatt. Alt som er forbruk, lar seg påvirke. Jeg sier ikke at forbrukerne er ubevisste eller ikke vet hva de gjør. Nei, de vet hva de gjør, men forbrukerne lar seg påvirke. Jeg lar meg også påvirke av markedsføring, jeg innrømmer at jeg gjør det, fordi man er et menneske og det virker.

for da må jo stortingsflertallet åpenbart agere på en mye mer kontant og mye mer handlekraftig og direkte måte for å få til det man ellers vedtar med anmodningsvedtak til regjeringen. Det kan la seg gjøre når vi har en regjering som er enig i målsettingene. Hvis man har en regjering som er uenig i målsettingene, må forslag selvfølgelig være mye mer «to the point» og

men det er veldig stor forskjell på det som forbrukeren velger, og det å drive med markedsføring slik at forbrukeren velger noe helt annet det han vil ha. Det var jo det Michael Tetzschner bl.a. snakket om, at det var forbrukerens valg, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men det var målene som er vedtatt, og det faktiske tidsperspektivet, som Riksrevisjonen har sett på, som var interessant. fordi man ikke har nådd noen mål. Da synes jeg det reale hadde vært om Lundteigen og Andersen rett og slett hadde reist en debatt i Stortinget rundt spørsmålet: Er det realisme i de målene som Stortinget har vedtatt? Der synes jeg Michael Tetzschner hadde noen veldig gode poeng. Vi har motstridende vedtak på det aller meste når det gjelder dette, og det skal jeg komme litt tilbake til. Jeg tror også det er grunnleggende feil å tro at det er kjedenes makt som er helt avgjørende her. Jeg tror kjedene gjør det som de ser at forbrukerne er interessert i. Poenget er: Forbrukeren velger ikke økologisk. Det er mange gode grunner til det, for norsk jordbruk er faktisk det reneste jordbruket i verden allerede,

økologisk jordbruk gir 300 kg per dekar. For det første er det åpenbart hva bonden velger: Han driver konvensjonelt, og det gjør de som har lyst å drive noenlunde profesjonelt. Men hvordan skal vi nå Stortingets målsetting om økt matproduksjon hvis alle skal legge om til det? ikke. Så sitter vi med naturmangfoldloven, som vi diskuterte i forrige uke, hvor vi ikke skal dyrke opp myr. Det er jo å drømme å tro at de arealene som står ubrukt i Norge i dag, kan fylle opp en slik produksjonsmangel: fra 800 kg per mål til 300 kg per mål. Da må vi begynne en massiv oppdyrking av myr, og da går vi

Denne undersøkelsen omhandler som sagt perioden 2005–2014. Da får man ta på seg ansvaret og ikke skyve det over på en ny landbruksminister fra en borgerlig regjering. Så tar vi en diskusjon rundt spørsmålene: Er vi tjent med dette målet? Er vi ikke tjent med heller å snakke opp det konvensjonelle norske jordbruket og markedsføre det som verdens reneste allerede? Og hvis det er noen noen sprøytemidler eller den typen ting som setter spor i mennesker etter at det er blitt brukt, så vet vi at det blir luket ut ganske fort av de kontrollsystemene vi allerede har. Jeg ville bare ta ordet for å utdype dette lite grann. Jeg tror man skal ta på alvor at Stortinget har fastsatt målsettinger og begrensninger for jordbruket på en rekke områder som gjør at det ikke er mulig å nå alle målene, og

Regjeringa legg 15 pst.-målet til grunn for si politikkutforming, så dei som har spørsmål knytte til det i dag, kan leggje til grunn at det er posisjonen til regjeringa. Viss han skulle endre seg eller regjeringa skulle finne det rett å utfordre Stortinget på om dette målet er mogleg å nå, vil vi kome tilbake til Stortinget med det. Eg har varsla at eg vil omtale økologisk-målet i landbruksmeldinga, som kjem seinare i år, og at eg vil følgje opp fleirtalet i Stortinget i dag med ein strategi for å nå økomåla som Stortinget har vedteke. Men vi kan ikkje gå frå denne debatten og la det verte hengjande igjen eit inntrykk av at den tradisjonelle, konvensjonelle jordbruksproduksjonen i Noreg ikkje er ikkje er rein, ikkje fremjar mattryggleik og ikkje gjev forbrukarane tryggleik når dei vel norske jordbruksprodukt. Norsk matproduksjon er blant dei reinaste i verda. Vi brukar minst medisin av alle. Vi jobbar systematisk for å unngå at det utviklar seg ein situasjon der landbruksproduksjonen legg grunnlaget for å ha antibiotikaresistente bakteriar, som seinare vil utgjere ei folkehelseutfordring. Norske forbrukarar skal kunne føle seg veldig trygge på når dei vel konvensjonelle, norske jordbruksprodukt, at det er trygg mat dei vel. Det har Stortinget jobba med i mange år for å få til, det har denne regjeringa jobba systematisk med, og det har ikkje minst bøndene jobba med i generasjonar for å få til. Vi kan ikkje ha det hengjande over denne debatten at så ikkje skulle vere tilfellet. Ingen er imot marknadsføring, men vi er for at marknadsaktørane tek hovudjobben med å marknadsføre sine eigne produkt, ikkje at staten tek ansvar for å marknadsføre enkeltprodukt som det norske jordbruket produserer. vi legg til grunn i veldig mange andre spørsmål, og som eg er glad for at fleirtalet i Stortinget i merknadsform også sluttar seg til i dag. Det er ett element i denne debatten som jeg føler behov for å ta ordet om, og

Dette er også delvis framført av andre. La meg bare si at hele Stortinget, både representanten Gundersen og andre, skal stole helt på at denne kritikken hadde sett akkurat likedan ut fra Arbeiderpartiets side hvis vi hadde fått denne rapporten til behandling på et tidligere tidspunkt. Dette er ikke et partipolitisk spørsmål. Dette er et spørsmål om hvordan vi organiserer landbruket med tanke på å nå Stortingets mål.

dette? Det er en diskusjon som egentlig ligger på kanten av kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgave, for det er en landbrukspolitisk debatt. Jeg skal ikke gå inn i det, men jeg følte som komiteens leder at jeg ville gjøre denne markeringen for at heller ikke dette skal bli hengende. Så har jeg et element til. Statsråden sier her at det ikke må bli hengende igjen at norsk konvensjonelt landbruk ikke er bra. Jeg har ikke hørt at noen har sagt det i denne debatten. Det er ingen grunn til å si det heller – det er tvert imot meget bra men det er dimensjonen på forskjellen mellom målsettingen for økologisk produksjon og det faktum at vi er så langt unna, som er kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgave. Vi har i hvert fall i denne debatten ettertrykkelig lagt vekt på at så er tilfellet. Jeg hører hva statsråden sier, men det blir opp til han, den nå ansvarlige regjering og Stortinget som sådant å sørge for at virkemidlene er på plass, slik at vi eventuelt når det målet. Ellers må vi justere det. Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg slutter meg til det komiteens leder sa, samtidig som jeg nok er blant de fremste som snakker det konvensjonelle jordbrukets sak her i salen, et konvensjonelt jordbruk uten antibiotika i fôret – det er ikke så mange som er med på det – et konvensjonelt jordbruk som systematisk bekjemper multiresistente bakterier, MRSA, innenfor svineholdet. Vi har mange viktige saker. Jeg opplever en enestående forbruksvekst for naturlig mat, økologisk mat – og det er flott. Det må fremmes videre, for det gir også god folkehelse. i det representanten Gundersen sa om økologisk korndyrking kontra konvensjonell korndyrking. Det viser bare at økologisk dyrking er mer krevende. Det krever en bedre jordkultur, det krever en bedre plantekultur, det stiller større kvalitetskrav og kompetansekrav til den som er bruker, og det er noe som alle snakker godt opp i mange sammenhenger. Det som står igjen her, er at partiet Høyre, så langt jeg har forstått det, ikke støtter opp om 15 pst.-målet, mens regjeringen gjør det fordi støttepartiene står for det. På den måten er det i hvert fall noe godt som er kommet ut av debatten. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Det er slik at kontroll- og konstitusjonskomiteen igjen legger fram en innstilling som omhandler utviklingen og bruken av digitale tjenester i

Komiteens synspunkt på digitalisering, posisjonen og bruken i offentlig sektor har i all hovedsak ved alle de innstillinger vi har levert fra kontroll- og konstitusjonskomiteens side, vært enstemmig. Komiteen har hatt til behandling flere alvorlige saker som omhandler De siste vi behandlet, var digitaliseringen i Nav, og så digitaliseringen innenfor våre helseforetak. Det siste førte til at Stortinget fattet et enstemmig vedtak om at statsråden skulle komme tilbake til Stortinget på egnet måte om den videre utviklingen innenfor helsesektoren. Regjeringen har svart på dette vedtaket ved å legge fram meldingen, den som heter «Digital agenda for Norge», og det mener jeg er bra. Det har imidlertid ikke manglet på meldinger og riktige målsettinger, men i alle disse sakene som kontroll- og konstitusjonskomiteen har hatt til behandling, er det ett hovedtema som går igjen, og det er manglende samordning og overordnet styring. Jeg sier det en gang til: Det er manglende samordning og overordnet styring som er det som går igjen i innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen når det gjelder dette viktige samfunnsområdet. Det er også hovedtema i den saken som Stortinget i dag har til behandling, altså digitaliseringen i kommunene. Også her, i likhet med saken vi nettopp har behandlet, er Stortingets mål og vedtak helt klart. Det sier «helhetlige og fullstendige offentlige digitale tjenester til innbyggere og til næringsliv». Det er målsettingen som Stortinget har satt, også for dagens diskusjon. Heller ikke på dette området har kommunene oppfylt dette. Stortinget har en rekke ganger sluttet seg til og pekt på at kommunesektoren har et selvstendig ansvar overfor sine innbyggere for å løse grunnleggende oppgaver, yte tjenester, drive samfunnsutvikling, utøve myndighet og være en lokalpolitisk institusjon. At innbyggere og næringsliv på en enkel måte skal kunne utføre sine ærender hos offentlig sektor, uavhengig av om det er staten, fylkeskommunen eller kommunen som har ansvaret for tjenesten, er en del av dette arbeidet. Digitalisering er en forutsetning for dette i vår tid. Jeg tror alle her er enig i det jeg nå har sagt.

at den enkelte kommune har et selvstendig ansvar for fornyelse, omstilling og digitaliseringstiltak i egen kommune, men nasjonale mål om likeverdige tjenester og effektiv og samordnet bruk av offentlige ressurser er en like viktig faktor. Staten er også tillagt et betydelig ansvar for å gi kommunene mulighet til å digitalisere. Riksrevisjonen mener at igangsatte tiltak fra statens side ikke er tilstrekkelig for å nå målet om helhetlige digitale offentlige tjenester for innbyggere og næringsliv, og at det er behov for en sterkere nasjonal samordnet innsats for å bedre framdriften i det kommunale arbeidet med Riksrevisjonen anbefaler at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar et sterkt nasjonalt ansvar for å samordne IKT-politikken i offentlig sektor, slik at offentlige digitale tjenester kan framstå som helhetlige for innbyggerne og næringslivet. De foreslår mer bruk av økonomiske incentiver, å motivere til samordning av departementer og direktorater,

Vi mener det er alvorlig at Stortingets mål om helhetlige og fullstendige offentlige digitale tjenester til innbyggerne og næringslivet ikke oppfylles. Det skaper ulikhet og økte forskjeller for både innbyggerne og næringslivet når nettbaserte tjenester ikke er et fellesgode i alle landets kommuner. Det er helt nødvendig med bedre samhandling mellom stat og kommune, og vi understreker Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvar. Det sier seg selv at gode nettbaserte løsninger mellom kommunen og befolkningen vil bidra både til kortere saksbehandlingstid og til bedre ressursbruk. Jeg tror de aller fleste setter pris på å kunne få behandlet en byggesak på nett framfor å oppsøke offentlige kontorer. Byggesak er også et godt eksempel i et annet henseende. Direktoratet for byggkvalitet har utviklet en løsning for byggesøknader som er tatt i bruk av mange kommuner, og har på denne måten faktisk gjort det som mange kommuner etterspør, fått til en større grad av statlig involvering og ansvar, for det sier seg selv at utfordringene framover, og allerede i dag, er for store til at kommunene kan klare å løse dem alene. Det peker på en side jeg for min del synes er slående i mange saker vi behandler i Stortinget – den manglende evnen til å lære av andre. Det gjelder både stat og kommune. Det er på mange måter et mysterium at man ikke går ut og ser hva andre har gjort, når nye løsninger skal innføres. Når digitale løsninger mangler, får det flere veldig uheldige konsekvenser. Data på tvers av saksområder og fagsystemer fungerer ikke. Innbyggere og næringsliv må oppgi samme informasjon på nytt for hver av de kommunale tjenestene. Dette fører unektelig til et dårlig tilbud, og ikke minst er det å sløse med tid og ressurser til innbyggere, næringsliv og kommuner. Det er bekymringsfullt når mange kommuner sier at de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å digitalisere sine tjenester. Ikke minst er det bekymringsfullt at kommunene ikke har tilstrekkelig bestillerkompetanse. Kommunene klarer bl.a. ikke å anskaffe IKT-systemer eller dataløsninger i tråd med kommunens eget behov. Det er, som jeg nettopp uttrykte, liten grad av samordning og standardisering av løsningene det må gjøres noe med. Det er svært viktig å sikre at systemer kommuniserer med eksisterende løsninger, og at dataflyt og samhandling mellom de systemene ivaretas. Mange kommuner sier at kostnadene ved å digitalisere de kommunale tjenestene er for høye til at kommunen prioriterer det, og at arbeidet også mangler forankring i kommunens ledelse. Det er kanskje ikke så rart all den tid kostnadene ligger på kommunene, mens gevinsten ligger på samfunnsnivå. En samlet komité vil derfor understreke at funnene må tas på alvor og rettes opp, og at kommunene må samarbeide tettere og dele erfaringer og teknologiske løsninger. Vi viser også til at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har det overordnede ansvaret for å samordne IKT-politikken, og vi er derfor enig i at det er behov for en sterkere nasjonal samordnet innsats for å bedre framdriften i kommunenes arbeid med å digitalisere de kommunale tjenestene.

for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Det er nedslående å lese Riksrevisjonens hovedfunn. Kommunene har i liten grad digitalisert sine tjenester. Arbeidet med digitalisering av kommunale tjenester har vesentlige hindringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementets virkemiddelbruk er ikke godt nok tilpasset mål og hindringer på området. Nasjonale felleskomponenter er ikke lagt godt nok til rette for bruk i kommunene, og igangsatte tiltak er ikke tilstrekkelige for å nå målene om helhetlige og fullstendige digitale tjenester. Digitalisering av samfunnet har pågått i ganske mange år, og på noen samfunnsområder har digitaliseringen kommet langt, og en har på flere områder allerede høstet gode frukter av det arbeidet som har vært gjort både med hensyn til mer effektiv drift og en forenkling for innbyggere og næringsliv. Imidlertid tilbys innbyggere og næringsliv et digitalt førstevalg for bare 27 pst. av de kommunale tjenestene på tre sentrale tjenesteområder. Hele 14 pst. av kommunene har ikke et digitalt førstevalg for noen av de 19 undersøkte tjenestene. Det er ca. 60 kommuner som ikke kan tilby dette. For de fleste undersøkte tjenestene er det under halvparten av kommunene som overfører mottatt informasjon elektronisk til ulike interne fagsystemer. Dette viser at den digitale modenheten i de kommunale tjenestene gjennomgående er lav. Jeg mener at det er kritikkverdig at kommunene i dag ikke er kommet lenger enn det som er rapportert med hensyn til å nå målene om at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Jeg har full forståelse for at digitaliseringsarbeidet er komplisert å få til når det skal etableres samvirke mellom mange interne ulike systemer i en kommune, etableres samvirke på tvers av kommunene, som igjen har andre systemer, og ikke minst nyttiggjøre seg og samvirke med store statlige systemer. Jeg kan bekrefte at en kommune har mange ulike systemer. Med egen erfaring som rådmann i to ulike kommuner har jeg nok mange ganger blitt noe oppgitt over hvor fragmentert arbeidet med å sy sammen IKT-sektoren har vært, og hvor fragmentert dette arbeidet fortsatt er, ifølge Riksrevisjonens undersøkelse. Ifølge Riksrevisjonen fremhever mange kommuner at kostnadene med å digitalisere kommunale tjenester er for høye til at kommunene prioriterer det, og er dette arbeidet ikke tilstrekkelig forankret hos ledelsen, stopper det gjerne opp, med et haltende system som resultat. Når kommuner ikke er i direkte inngrep med nasjonale registre, men i stedet lager lokale kopier som skyggeregistre, vil kvaliteten på arbeidet ikke bli godt nok, da skyggeregistrene ikke blir oppdatert ofte nok. Dette har dessverre vært en kjent Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har bidratt til digitalisering av offentlig sektor, men det er statsforvaltningen som er Difis primære målgruppe. Difi har derfor begrenset mulighet til å håndtere problemstillinger som går på tvers av statlig og kommunal sektor. Mange kommuner mangler kunnskap om hvor viktig IKT-standarder og arkitekturprinsipper er for en effektiv digitalisering av kommunale tjenester. Ettersom de nasjonale arkitekturprinsippene bare er anbefalt for kommunal sektor, mens de er obligatoriske for staten, forsterkes utfordringen for å få til en god samhandling mellom kommunenivå og statlig nivå. Når et stort flertall av kommunene, ifølge rapporten fra Riksrevisjonen, mener at nasjonale myndigheter bør forplikte kommunene mer i digitaliseringsarbeidet, er det også nærliggende å se at felles arkitekturprinsipper for statlig og kommunal sektor er en nødvendighet. Det må tas et sterkere initiativ for utvikling av løsninger som kan brukes på tvers av kommunegrensene og mellom kommuner og fylkeskommunale og statlige etater. Avslutningsvis vil jeg uttrykke stor forståelse for kommunenes situasjon. Både teknisk og økonomisk er digitalisering av kommunale tjenester vanskelig og komplisert. Staten må stille opp med både økonomiske ressurser og kompetanse for å sette kommunene bedre i stand til å møte funnene i Riksrevisjonens rapport. I tillegg bør det være en nødvendighet at arkitekturprinsippene som er obligatoriske for den statlige virksomheten, også blir gjort obligatoriske og gjeldende for kommunene. I motsatt fall er jeg redd for at vi fortsatt vil oppleve så store tekniske utfordringer at målet om digitalisering av kommunale tjenester ikke vil kunne nås på lang tid. Flere og

Men det er ingen tvil om at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Kommunesektoren er en betydelig leverandør av offentlige tjenester, og derfor er digitalisering av kommunale tjenester helt avgjørende for å nå dette målet. Digitalisering av offentlige tjenester skjer i dag for lite helhetlig, og er det i stor grad opp til kommunen selv hvor mye de ønsker å satse på ulike digitaliseringsprosjekter. Kristelig Folkeparti ønsker at staten og kommunene i større grad enn i dag arbeider sammen om å skape tilgjengelige og brukervennlige elektroniske løsninger for innbyggerne. Staten bør etter Kristelig Folkepartis mening ta et ansvar for å utvikle en felles digital plattform

Kristelig Folkeparti stiller seg bak den kritikken som fremmes – en kritikk som har sitt grunnlag i Riksrevisjonens funn om at Stortingets mål om helhetlige og fullstendige offentlige digitale tjenester til innbyggere og næringsliv ikke oppfylles. Komiteen mener det er kritikkverdig at målet ikke oppfylles. Og hvorfor er dette kritikkverdig? Jo, det skapes ulikheter og økte forskjeller for både innbyggerne og næringslivet når nettbaserte tjenester ikke er et fellesgode i alle landets kommuner. Dette peker komiteen på, og jeg antar statsråden vil kommentere dette i sitt innlegg. Jeg tror et nøkkelord i denne saken er «bestillerkompetanse», nærmere bestemt mangel på sådan. Dette ser vi igjen i flere saker, også på statlig nivå og i statlige etater. Vi husker tilbake til IKT-skandalen i Nav-saken som Stortinget hadde til behandling for ett års tid siden, hvor dette var et viktig punkt. I Riksrevisjonens rapport om digitalisering av kommunale tjenester ser vi at mange kommuner ikke har tilstrekkelig kompetanse til å digitalisere sine tjenester. Spørreundersøkelsen til kommunene viser at den administrative ledelsen i bare vel fire av ti kommuner,

Vi ser også at blant de små og mellomstore kommunene er henholdsvis 39 og 44 pst. helt eller delvis enig i at de har tilstrekkelig bestillerkompetanse. Til sammenligning opplever ledelsen i 56 pst. av de store kommunene å ha tilstrekkelig bestillerkompetanse. Heller ikke gevinstrealisering blir det jobbet systematisk med i de fleste kommuner. Dermed blir mye av digitaliseringen gjennomført uten at en utnytter godt nok mulighetene for effektivisering og ressursbesparelse. Mangel på trygghet om IKT og mangel på kunnskap om hva som trengs av IKT-løsninger kan derfor gi et dårligere tilbud til innbyggerne. Derfor tror jeg Riksrevisjonen er inne på noe helt vesentlig når de i rapporten anbefaler staten å motivere Det trengs et sterkere samarbeid for å utvikle kompetanse og utveksle erfaringer og tekniske løsninger, slik at kommunene i større grad kan utvikle og dra nytte av de digitale tjenestene. Det er jo heller ikke slik at enhver kommune selv må finne opp det digitale kruttet hver eneste gang. Ofte kan ferdige og et tettere IKT-samarbeid mellom kommune og stat, og ikke minst mellom kommunene, kan bidra til effektivisering og bedre tjenester. Jeg vil samtidig understreke komiteens enstemmige merknad hvor man uttrykker en viss forståelse for kommunenes situasjon. Digitalisering av kommunale tjenester er komplisert og tidkrevende. Derfor mener også Kristelig Folkeparti at staten må stille opp med både økonomiske ressurser og – ikke minst – kompetanse. Statlig drahjelp er viktig for å sette kommunene bedre i stand til å kunne løse sine oppgaver til det beste for innbyggerne.

Stortingsmeldingen om digital agenda har bred omtale av samhandling mellom kommune og stat, med beskrivelse av konkrete tiltak. For oppgaver som løses på tvers av statlig og kommunal sektor, skal de statlige virksomhetene ta et større ansvar for at det utvikles helhetlige digitale løsninger som også kommunesektoren kan benytte. Det er slik at innbyggerne i liten grad forholder seg til forvaltningsnivåer, de forholder seg til tjenester, så der hvor det er hensiktsmessig og nyttig, skal det også samordnes. Derfor er Difi nå gitt i oppdrag å utarbeide en oversikt over planlagte og pågående digitaliseringsinitiativ i statlig sektor som påvirker kommunesektoren, inkludert oversikt over mulige gevinster og planer for å Dette gir grunnlag for en bedre og mer strukturert dialog mellom stat og kommune. En slik oversikt gjør det også enklere å identifisere behov for å etablere felles løsninger som kan dekke like behov på tvers av forvaltningsnivåene. Difi skal sammen med KS finne et passende rammeverk som gjør det mulig å vurdere de ulike tiltakene opp mot hverandre. Basert på disse innspillene kan Difi gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om behov for prioriteringer mellom de ulike tiltakene ved eventuell mål- eller ressurskonflikt mellom sektorer. Kommunene kjenner best sine utfordringer og må involveres når statlige virksomheter har digitaliseringsprosjekter som berører kommunal sektor. Vi utarbeider en oversikt over viktige pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i kommunal sektor. Vi understreker også at ansvaret for IKT-modenhet og fremdrift i kommunene er kommunenes eget ansvar. Difis verktøy og veiledning er også tilgjengelig for kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i flere år gitt økonomisk støtte til Departementet har gitt KS tilsagn om inntil 10 mill. kr i 2016 til videreutvikling av IKT i kommunesektoren. Felleskomponentene er tilgjengelige for bruk av kommunene. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom KS og Brønnøysundregistrene om Altinn, og oppslag i Folkeregisteret er gratis for kommunene.

Jeg vil understreke at jeg er enig med representanten og komitélederen Martin Kolberg i at det er behov for bedre samordning og samhandling mellom stat og kommune. Det handler om tilgjengelige – og økt tilgjengelighet av – felleskomponenter. Men det handler også om tjenester

Jeg kan også trekke frem andre eksempler, som Husbanken, som nå har digitalisert både bostøtte og startlån, hvor gevinsten kommer i kommunene – og tilsvarende at kommunene nå skal over på sikker digital postkasse, slik at innbyggerne kan få en sikker digital postkasse som benyttes av både statlige og kommunale etater. Og vi ser at flere kommunale etater nå er på god vei over. Men jeg vil understreke at dette handler ikke bare om samhandling og samordning. Det handler også om behovet for bedre kostnadskontroll, og det handler om større gevinstrealisering når Jeg har ved flere anledninger sagt at de store digitale prosjektenes tid må være forbi. Vi ser at der er det større sannsynlighet for kostnadssprekk og sprekk på tid. Det er de små og mellomstore prosjektene som har de største gevinstene. Vi må i langt større grad også ta ut gevinster når prosjekter realiseres. Vi har nå fått på plass et digitaliseringsråd i Difi som har kompetanse fra både privat, statlig og kommunal sektor, og som gir råd på prosjekter på opptil 750 mill. kr. Dette er et viktig område, som betyr mye for innbyggerne våre. Når vi digitaliserer offentlig sektor, Så er det viktig at vi styrker den strategiske IKT-kompetansen på ulike nivå, og derfor har vi allerede iverksatt et program for statlige ledere som skal få opparbeidet økt strategisk IKT-kompetanse, slik at dette blir en del av lederkompetansen i statlig sektor.

på en slik måte at det nå er et alminnelig flertall i kommunestyret som skal til for at man skal kunne bestemme om det skal være todagers valg ved kommunevalg og stortingsvalg i de respektive kommunene. Jeg regner med at de som representerer Stortingets flertall, vil begrunne sitt syn i fortsettelsen, men

Jeg forutsetter som sagt at representantene for dette synet vil utdype disse synspunktene nærmere. Selv representerer jeg og Arbeiderpartiet og de andre partiene, unntatt regjeringskoalisjonen og Kristelig Folkeparti og Venstre, et annet syn. Vi mener at opprettholdes. Hva snakker vi om i denne sammenhengen? Vi snakker om det som er det aller viktigste i et demokrati, nemlig at det blir lagt til rette for på en best mulig måte at velgerne har lett tilgang til stemmeurnene. stemmeurnene. Det har jo gjennom årene vært veldig mye diskusjon om akkurat dette spørsmålet – om endagsvalg eller todagersvalg. Det jeg stiller meg litt undrende til, er at man er så ivrig etter å fjerne denne mindretallsrettigheten. Jeg tror at den argumentasjonen som brukes, er prinsipiell, og man bruker også økonomiske argumenter. Om det siste vil jeg si at jeg oppfatter det som rent oppkonstruert argumentasjon. Det er ikke et spørsmål om det blir billigere eller dyrere når det er snakk om gjennomføring av valg i Norge hvert annet år. Det er en oppkonstruert argumentasjon for å styrke argumentasjonen om at man ikke skal ha den samme rettigheten som man har hatt når det gjelder todagersvalg. Jeg synes egentlig at Stortingets flertall ikke skulle gjort dette. Man går inn på et felt som har vært etablert lenge, hvor mindretallsrettigheten på dette viktige området har blitt lagt til grunn. Noen ganger har det vært Arbeiderpartiet som har vært med i mindretallsrettigheten i kommunestyrene, og andre ganger har det vært andre som har vært med i i den. Den mindretallsrettigheten har bidratt til at den lokale vurderingen av et mindretall i kommunestyret har gitt muligheten til å kunne etablere et todagersvalg. Det har jo ikke vært noe problem, så jeg forstår egentlig ikke hvorfor man gjør dette. De prinsipielle argumentene kan man legge til side hvis man vil, men her vil man det altså ikke. todagersvalg. Det har jo ikke vært noe problem, så jeg forstår egentlig ikke hvorfor man gjør dette. De prinsipielle argumentene kan man legge til side hvis man vil, men her vil man det altså ikke. Dette synes jeg er – det er kanskje ikke et sånt ord som skal brukes fra Stortingets talerstol, president, så hvis det blir noe banking, tar jeg det med ro – stygt gjort. Det er rett og slett ordet stygt – jeg synes det er stygt gjort, for det er ikke nødvendig å gjøre dette. Det kan jo ikke være noen annen hensikt med dette enn å gjøre det med dette enn å gjøre det vanskeligere å få todagersvalg. Det må jo bli det når en mindretallsrettighet forsvinner – da blir det vanskeligere å få todagersvalg. Da kan ikke hensikten være noen annen. For prinsippene knyttet til dette er det ikke nødvendig å anføre i de sammenhengene som er etablert her. for vårt vedkommende – Arbeiderpartiet, som opprinnelig kjempet igjennom denne ordningen – nå blir nedvotert, og at vi selvfølgelig må innrette oss deretter etter at Stortinget har sagt dette. Men jeg mener som sagt at vi ikke burde gjort dette. Det er unødvendig å gjøre det, og argumentene som føres i marka, er formelle, og denne formaliteten burde ikke vært anvendt mot å bruke muligheten til å få gode todagersvalg i kommunene. Det er det jeg mener.

i komiteen, men som formodentlig materialiserer seg i et flertall her i salen. Det argumentet representanten Kolberg var inne på, og som må tas alvorlig, er tilgjengelighet. Vi har jo sett gjennom tiden hvordan velgerne er blitt mer mobile, men også hvordan myndighetene lokalt og sentralt har lagt til rette for utstrakt forhåndsstemmegivning. Det er nesten sånn at man knapt rekker å stenge butikken for mottak av forhåndsstemmegivning før de kommunale funksjonærene skal i gang med å ta imot ordinær stemmegivning. Særlig vil jeg peke på muligheten

folk flest. Vi har heller ikke sett for oss at vi skal diktere kommunene en løsning. Det er nettopp kommunene som må finne løsninger, ut fra sine prioriteringer og ut fra kunnskap om hvor mange velgere de har å betjene, og også hvor mange valglokaler de skal ha innenfor kommunen, som

over bare én dag, regner jeg med at de ville fremmet forslag i valgloven som gjorde det til en tvungen, obligatorisk ordning i hele landet. Når det ikke skjer, tar jeg det som et uttrykk for at man anser det høyst forsvarlig å ha endagsvalg, og at det blir opp til det aktuelle kommunestyret, ut fra lokalkunnskap, å vedta dette. Så kommer vi inn på det prinsipielle. I alle andre saker er det jo slik at de som skal pådra kommunekassen utgifter – det må jo være et flertall – også er de som skal saldere budsjettet og finne plass til disse utgiftene ut fra en lokal prioriteringsrekkefølge. Det stemmer jo også best med det øvrige styringssystemet vi har for lokaldemokratiet. Dermed er vi kommet til det punkt da vi tar opp disse endringene som må gjøres i valgloven og kommuneloven, som følger av forslaget, og jeg tar det da opp formelt

Det er heller ikke slik som disse partiene skriver i merknadene, at vi vil innskrenke tidsperioden det er mulig å avgi stemme. De skriver dette i merknadene, og jeg forstår det rett og slett ikke. Nei, dette er overhodet ikke bakgrunnen for at vi har vært med på å fremme dette forslaget. Det saken handler om, er noe helt annet, det er om hvorvidt det er en tredjedel eller halvparten av et kommunestyre som skal ta beslutningen om et valg skal avholdes over én eller to dager. Det er akkurat det det handler om, grunnlaget for en beslutning lokalt, i det enkelte kommunestyre – ikke hvorvidt man skal innskrenke muligheten til å avgi stemme. Mange steder har vi todagers valg i dag, og det fungerer utmerket. Andre steder er valglokalene åpne kun én dag, og det kan også fungere bra. Det er de lokale behovene som styrer dette, og det vil variere hva som er mest hensiktsmessig. Kommunen avgjør, og vi tror den enkelte kommune her vet best. Det vi diskuterer, er altså om det er tilstrekkelig med tilslutning fra en tredjedel, eller om det skal være som i alle andre saker i kommunestyret, at et simpelt flertall skal gjelde. Her mener Kristelig Folkeparti at vi kan gå tilbake til normalordningen, slik det var før, hvor det er et ordinært flertall i kommunestyret som avgjør denne saken, som alle andre saker – et godt demokratisk prinsipp, med andre ord. Vi sier ingenting om én eller to dager. Vi sier derimot at vi fortsatt vil at det er kommunene selv som skal avgjøre dette, og vi foreslår at kommunene avgjør saken ut fra en ordning med ordinært flertall. Så skriver Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne følgende i innstillingen: «Det er vanskelig å tolke forslagsstillernes intensjon annerledes enn at de ønsker å legge til rette for at færre kommuner avholder valg på søndagen før den offisielle valgdagen, og på den måten innskrenke tidsperioden det er mulig å avgi stemme.» Hvor har de dette fra? Det har ingenting med saken å gjøre, og jeg vil bare for ettertiden ha gitt tydelig uttrykk for at disse partienes forsøk på å tolke Kristelig Folkepartis intensjon i denne saken ikke har vært spesielt vellykket. Jeg tror nok samtidig at spørsmålet om én eller to dagers valg har blitt mindre viktig med årene, etter at muligheten til å avgi forhåndsstemmer over tid har blitt betydelig utvidet. Men dette er det opp til kommunene å vurdere. Kristelig Folkeparti står ved forslaget om at beslutningen om én eller to valgdager skal kunne fattes som et ordinært flertallsvedtak. Det mener vi vil være en riktig og god ordning. Bare en kort merknad fra min side til spørsmålet: Hvor får de det fra at dette vil innskrenke mulighetene? Jo, det Hvor får de det fra at dette vil innskrenke mulighetene? Jo, det ligger i sakens helt åpenbare natur, at når man forandrer loven fra at et mindretall kan bestemme det, til at et flertall kan bestemme det – da ligger det i forlengelsen av forslaget. Så vi har det derfra, rett og slett. Jeg sier det som en replikk til representanten Grøvan. Det er derfra vi har det. Så vi har det derfra, rett og slett. Jeg sier det som en replikk til representanten Grøvan. Det er derfra vi har det. Det kan jo ikke være annerledes, for tanken må jo være at når et mindretall bestemmer det, er det lettere å få det til enn når et flertall bestemmer det. Så er det de andre argumentene. Jeg er enig i det som sies av flere her, at det har forandret seg gjennom årene når det gjelder muligheten til å stemme, mer mobilitet, forhåndsstemming og alle disse tingene. er i demokratiets navn motsetningen mellom at det har blitt bedre på en rekke andre områder og at det fortsatt skal være lett å etablere en todagersordning? Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke at det er noen motsetning der. Tvert imot kunne dette utfylle hverandre på og der hvor det var et mindretall i kommunestyret som mente at det var greit med todagersvalg, fordi de anså det som viktig med tanke på valgdeltakelsen, burde de fått anledning til å ha det. Det er det som er vår argumentasjon, og det var det som var argumentasjonen for at ordningen i sin tid ble innført. Da var argumentene riktignok noe tyngre med tanke på at det var vanskeligere mobilitet og alle disse tingene, som vi ser er mye bedre i dag, og det er mye bedre muligheter for forhåndsstemmegivning. Men i sum svekkes muligheten for valgdeltakelse ved at det kanskje i noen kommuner, når det nå ikke er en mindretallsrettighet, ikke blir todagersvalg, hvor det ellers kunne ha vært det. Det er det dette lovforslaget i tilfelle stanser, og det synes jeg ikke vi burde gjøre. Det er det jeg sier. Vi burde ikke gjøre det, for det burde man kunne bestemme lokalt, men med en mindretallsrettighet når det gjelder akkurat dette spørsmålet. Mer er det ikke, og det er jo det som er det vanskelige i saken, når jeg hører representanten Grøvan er litt indignert over at vi tillegger Kristelig Folkeparti et annet syn enn det de har. Jeg vil ikke si at vi gjør det – jeg bare konstaterer faktum knyttet til virkningen av det han vil stemme for senere i dag. I et demokrati – i et lokaldemokrati – er

gjør – den broen man bygger – at det å flytte makten over til et flertall i et lokaldemokrati, er å innskrenke demokratiet, synes jeg blir en feilkobling. Dette er å sette ting på lik linje med hvordan lokaldemokratiet ellers fungerer i viktige spørsmål. Så til saken og forslaget, og hvorfor vi mener at det også er overmodent å adressere dette med forhåndsstemmegivning. La meg ta et eksempel fra Oslo. I Oslo har vi de siste kommune- og stortingsvalg gjennomført forhåndsvalg i alle 15 bydeler i en 30-dagersperiode, fra ca. 10. august til og med den siste fredagen før valget. valget. Ved stortingsvalget i 2013 deltok nær 40 pst. av velgerne i forhåndsvalget. Det betyr at tilgjengeligheten til stemmelokalene har blitt bedre, og den brukes i større grad. Jeg har prøvd å lese meg litt opp på argumentasjonen som ble brukt av partiene da denne lovendringen ble gjennomført i sin tid, da man flyttet makten fra et alminnelig flertall til et mindretall. Den gangen hadde man bl.a. argumentasjon om at det ville gjøre det enklere å få opp valgdeltagelsen blant minoritetene. Det er en argumentasjon som har blitt brukt i Oslo kommune i hvert fall. Men det er jo den tiden som vi har mellom valgene, hvor departementet og mange etater bruker millioner av kroner på kampanjer for å få opp valgdeltagelsen, og alle de dagene når valglokalene er åpne helt fram til den lille, kunstige – vil jeg si – pausen på 24–48 timer fra

innskrenker enkelte gruppers muligheter til å være med og delta i demokratiske valg. Tvert imot: Vi bruker millioner av kroner og veldig mye ressurser på å få til nettopp det. Selv om det i innstillingen er et mindretallsforslag, blir det et flertallsvedtak når det kommer til Stortinget og blir vedtatt som alminnelig flertallsvedtak, slik de fleste vedtak bør. Jeg ser også fram til de neste valgene, hvor kommunene selvfølgelig vil ha alle muligheter til å bestemme om de vil ha endagsvalg eller todagersvalg. Det er ingenting ved dette forslaget som hindrer kommunene i å gjøre det. Det er det viktig å presisere, for det har nesten blitt gitt inntrykk av – vil jeg si – at forslagsstillerne egentlig prøver å forhindre kommunene i å ha todagersvalg. Det er rett og slett feil.

– om det å snu valgdeltagelsen hos grupper, som representanten Kapur var inne på. Men det som var bakgrunnen for diskusjonen den gangen loven ble endret, i hvert fall i Oslo, var at vi egentlig ville gi demokratiet større legitimitet ved at man ikke skulle ha muligheten til å mistenke eller tenke at de som har flertallet i dag, er fornøyd med hvordan situasjonen er. Hvis noen tenker: Hvis man får stemme på søndager, er det flere grupper som får anledning til å gå og stemme. Det er for knapp tid, man har en hektisk arbeidsdag på mandager. De som er flinke til å organisere dagen sin, og som kanskje er mer ressurssterke, har lettere for å få stemt. La oss åpne for det på søndager, når noen mennesker vil ha bedre tid. Hvis man er generøs nok til å si at Hvis man er generøs nok til å si at mindretallet – altså en tredjedel – kan få øve påvirkning på det, kan det også begrunnes på den måten at det gir demokratiet en enda større legitimitet, en slags «gentleman’s» holdning, ved at man ikke vil la mindretallet føle at flertallet overkjører dem i slike spørsmål. Så jeg mener at det går an å framføre demokratilegitimitetsargumenter begge veier i Jeg kjenner ikke all forskningen på hvordan todagersvalg har slått ut i Oslo, men det er en annen diskusjon – føler jeg – enn selve prinsippene om at man skal gi den ekstra legitimiteten til hvordan man velger å gjennomføre valg, ved å la mindretallet, som kan tenke at flertallet er tjent med hvordan ordningen har vært, få lov til å få mulighet for et gjennomslag, hvis det er en tredjedel som vil det. Det har vært en slags vært en slags raushet i systemet, som har ligget i den tankegangen. Det er viktig at det kommer fram når man diskuterer hva som er mest

Oslo, og valgordningen ellers, da man ønsket å innføre denne lovendringen, og hvilke deler av demokratiets legitimitet som vil forsvinne hvis et alminnelig flertall skal vedta den type ting. Det er det ene. Det andre er, for å følge opp representanten Bøhlers innlegg: Hva er det som vil skje eller ikke skje med demokratiets legitimitet ved at valglokalene stenges den ene dagen – når de allikevel har vært oppe, f.eks. i Oslo, fra ca. 10. august og i 30 dager framover? Jeg undrer veldig på den argumentasjonen. Og når legitimiteten til demokratiet tas opp, blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan det sto til i dette landet for noen år siden.

fordi det bl.a. var en diskusjon i Oslo om hvilke grupper som ville tjene på at man stemte på søndager, hvilke grupper som da ville øke valgdeltakelsen sin. Det er ikke gitt hva som er fasiten på det. Om endagsvalg eller todagersvalg gir mest legitimitet til demokratiet, vil være forskjellig fra sted til sted ettersom hva som øker deltakelsen eller ikke. Forhåndsstemmene ved valg har økt deltakelsen mest, tror jeg, i de senere årene.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

det man kaller hyblifisering, at for mange bor i en enhet. Andre har tatt opp problemstillinger knyttet til hvor mange enheter en enkelt person kan eie i et sameie. Det har også vært problemstillinger knyttet til hvilke typer vedtak et sameie kan fatte eller ikke, dersom en eller flere uteblir fra sameiemøtene. Slik sett snakker man altså om sameiedemokrati. Dette er viktige punkter. Nettopp derfor har regjeringen allerede nå igangsatt et arbeid med å følge opp lovutredningen som ble gjort av et lovutvalg i 2014. Blant annet utredes nå hvorvidt ervervsbegrensning kan oppheves eller ikke, sameienes mulighet til å forby utleie, problemstillinger knyttet til hyblifisering og en rekke andre områder. Alt og mer til i tilknytning til hva som ligger i representantenes forslag, vil bli tatt tak i når regjeringen legger fram dette for Stortinget til høsten. Jeg viser også til statsrådens brev, spesielt det siste som har kommet, hvor man går inn i forslagene enkeltvis og varsler at man vil ta tak i disse problemstillingene. Jeg vil derfor vise til komitémerknaden hvor vi mener at det er mest «hensiktsmessig å vente til saken kommer til Stortinget» høsten 2016, og at «man dermed får gjort en grundig vurdering av alle faktorer og en helhetlig behandling av ny eierseksjonslov». Jeg vil minne om at eierseksjonsloven også handler om andre viktige elementer enn det som tas opp her, og det vil være mest ryddig ryddig å gjøre det på den måten. På vegne av regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, vil jeg avslutningsvis igjen understreke at vi anerkjenner mange av de utfordringene som det pekes på, særlig her i Oslo, men også i andre pressområder. Men vi mener at det er viktig å skille litt mellom hvilke lover man trenger å gjøre noe

og ikke minst se disse utfordringene også opp mot andre lover, som ikke er tatt opp her. Jeg avslutter med det. Jeg ser ikke noen grunn til å oppholde salen mer. Jeg vil takke saksordføreren for et grundig arbeid og

mennesker. De som arrangerte møtet, representerte et vel med sameier. Det er 12 000 mennesker som bor i det området, men også flere andre velforeninger i sameier med titusener av mennesker er engasjert i dette og har meldt inn forskjellige ting underveis. Så dette handler om mange mennesker som er bekymret for hvordan utviklingen i deres bomiljø vil være. På det folkemøtet den gangen var i tillegg til Arbeiderpartiet og SV Fremskrittspartiet aktivt støttende til forslagene sameiene gikk inn for. Representanten for Høyre, som var i tillegg til Arbeiderpartiet og SV Fremskrittspartiet aktivt støttende til forslagene sameiene gikk inn for. Representanten for Høyre, som var Kapur, var også veldig tilstedeværende og hadde vel mer den tilnærmingen som han også har her i salen – så det er en sammenheng her. Det som skjedde videre, da engasjementet til velforeninger og sameier utviklet seg, var at bydelsutvalgene, særlig i Oslo, i utviklet seg, var at bydelsutvalgene, særlig i Oslo, i Groruddalen, uttalte seg om dette og ville ha det behandlet samtidig som høringen om eierseksjonsloven, som ikke tok opp dette temaet, var ute på høring.

flest innbyggere som er berørt av denne problemstillingen, og det er tverrpolitiske, enstemmige uttalelser fra merknader og innspill i høringsrunden fra Oslo bystyre som ble grundig behandlet der. Der påpeker man at det blir problemer i utviklingen av bomiljøet hvis det blir et for stort antall små utleieenheter, som utleiere som ikke bor i området, står for etter å ha kjøpt opp en rekke leiligheter i leiligheter i sameiene. De peker på at det fører til stor sirkulasjon av beboere, at det er ustabilt – det er usikkert hvem som egentlig bor der – at det er mindre vilje til å være med på vedlikehold, enten det er dugnad eller større, kostnadskrevende ting, ting, og at det er belastninger på infrastruktur som det ikke er bygd for – enten det er vann, kloakk, parkering eller andre ting som er tatt opp – i det hele tatt uro og utrygghet i bare understreke at f.eks. nåværende statssekretær Bård Folke Fredriksen, som da var byråd i Oslo, var aktivt ute med store oppslag i Akers Avis om akkurat det samme som undertegnende har sagt om samme sak i samme avis. Så vi har på mange måter stått sammen om å foreslå disse initiativene når det gjelder eierseksjonsloven. Det som er bekymringen, er at det oppstår uro i Det som er bekymringen, er at det oppstår uro i bomiljøene i området vi satser på gjennom Groruddal-satsingen og i andre områder – vi satser i utsatte områder – fordi utleieandelen øker så sterkt og sirkulasjonen av beboere gjør at man ikke vet hvem som bor der. Denne utviklingen undergraver det vi gjør fra kommune og stats side for å satse på at det ikke skal utvikle seg i feil retning i disse områdene. Hvis det er noen steder vi nå ser at det er grunn til bekymring i Groruddalen, og i områdene med områdesatsinger også andre steder i byen, så er det de områdene som har sameier med en stor andel utleie og utbygging til hybler, det som kalles hyblifisering. Hvis jeg skulle trekke inn noe sted i landet hvor jeg ville sagt: Vi må passe på at vi ikke får den typen utleieområder hvor folk ikke er engasjert i nærmiljøet sitt, som man har sett i drabantbyer i Sverige, er det disse områdene jeg snakker om.

Presset på boligmarkedet gjør det attraktivt å kjøpe opp boliger for utleieformål, ofte ved at leilighetene blir bygd om og delt opp i mindre enheter, såkalt hyblifisering. Jeg mener det er viktig å ta på alvor de varslene vi får om at dagens lovgivning ikke virker etter hensikten. Det virker som vi alle sammen er enige om at begrensninger i eierseksjonsloven, som sier at det ikke er tillatt å erverve mer enn to seksjoner i samme sameie, har en god intensjon. Forslagsstillerne mener vi da må stramme opp lovparagrafen slik at den får den effekten den var ment å ha. Jeg leser statsrådens svar som at han mener eierbegrensningsparagrafen bør fjernes fordi den ikke virker etter intensjonen. Flertallet mener vi bør vente med å vurdere endringene i eierseksjonsloven til departementet har konkludert når det gjelder utredningen, og lagt fram en sak for Stortinget. Senterpartiet mener Stortinget bør gi et klart signal om at eierseksjonsloven bør strammes inn slik at sameiene får større mulighet til å hindre spekulative oppkjøp og ombygging av leiligheter for utleieformål. Vi ber derfor om at dagens begrensninger i eierseksjonsloven som sier at ingen skal kunne eie mer enn to seksjoner i samme sameie, blir opprettholdt og rammet inn slik at Våre forslag er i samsvar med Stortingets tidligere vedtak da en tilsvarende sak ble behandlet. Jeg mener vi bør gi departementet et klart signal om at de endringene som nå forberedes i eierseksjonsloven, skal bidra til at intensjonen i dagens lov skal virke bedre. Det er det som gir trygghet for dem som har kjøpt seg en leilighet i et sameie, trygghet for at de også i framtiden skal ha en trygg bolig i et godt bomiljø for seg selv og familien sin. Jeg er enig med forslagsstillerne i at det er viktig å legge forholdene til rette for at folk som bor tett i borettslag og eierseksjonssameier, skal ha gode og trygge bomiljøer. Jeg er kjent med det sterke engasjementet som er i denne saken. For regjeringen er det viktig at den rettslige reguleringen av slike kollektive boformer er god. Som kjent pågår det for tiden et større lovarbeid i departementet knyttet til eierseksjonsloven. Lovarbeidet bygger på en utredning fra et lovutvalg som i august 2014 foreslo en del endringer i eierseksjonsloven. Jeg mener det er viktig at vi får muligheten til å se sammenhengen i Lovutvalget foreslo å oppheve forbud mot å kjøpe flere enn to seksjoner i ett og samme eierseksjonssameie. Forslaget var enstemmig og begrunnet i at det er lett å omgå reglene ved å bruke stråmenn eller ved å opprette aksjeselskaper som kjøper seksjoner. Departementet vil gi en bred omtale av forslaget i den lovproposisjonen som skal legges frem Når det gjelder spørsmålet om å innføre rettslig grunnlag for at et flertall på årsmøtet kan innføre utleierestriksjoner i sameiet, er dere kjent med at jeg i brevet til komiteen datert den 25. mai har gitt uttrykk for at mitt prinsipielle utgangspunkt er at slike regler vil representere et stort inngrep i seksjonseiers rett til selv å bestemme om egen boligseksjon skal leies ut eller ikke. Samtidig ser jeg at hensynet til bomiljøet likevel kan legitimere slike begrensninger. Departementet utreder akkurat nå om bomiljøhensynet gjør seg så sterkt gjeldende at det prinsipielle utgangspunktet bør vike. Til spørsmålet om hybelutleie bør begrenses gjennom strengere krav til bygningsmessige endringer, vil jeg understreke at jeg selvfølgelig er opptatt av at kommunene skal ha de juridiske virkemidlene som er påkrevet for å unngå at det oppstår helsefarlige boforhold. I den kommende proposisjonen vil vi vurdere om plan- og bygningslovens hjemler er gode nok til å forhindre slike boforhold, eller om det kan være grunn til å endre eller Jeg tenker da særlig på reglene om når det oppstår en søknadspliktig bruksendring, og på hjemlene for kommunene til i reguleringsplanen å legge inn restriksjoner mot oppdeling av slike hybler. Jeg mener det er nyttig at denne saken er fremmet, og at vi har muligheten til å ha denne diskusjonen i Stortinget, men jeg setter pris på at departementet får muligheten til å se sammenhengen i de ulike forslagene og tiltakene.

når personer som bor andre steder, kjøper opp leiligheter og deler dem opp – det beskrives at det kan bo opp til 16 mennesker i en liten leilighet i oppgangen – og det skjer med flere leiligheter i samme oppgang, med oppløsning av bomiljøet, men også med stor reduksjon av verdien av de andre leilighetene i blokken i oppgangen, så er det også et slags indirekte inngrep i deres eiendomsrett eller i hvordan deres eiendom står seg? Det var jo også grunnen til at jeg i mitt innlegg understreket at man samtidig må vurdere om hensynet til bomiljøet legitimerer slike begrensninger. Det gjelder flere forhold i hele dette sakskomplekset, at det kan være ulikt prinsipielt ståsted som møter en praktisk hverdag, og hvor vi må finne gode avveininger. Det er disse diskusjonene som departementet nå går inn i, både faglig og selvfølgelig med politiske avveininger, som vil ligge til grunn for det forslaget vi etter hvert fremmer for Stortinget. Tusen takk for svaret. Jeg vil gjerne føye til: Når statsråden nevner at det kan være aktuelt å se på plan- og bygningsloven bygningsloven og forbedringer der, er det klart at det kan ha en positiv virkning. Men det er viktig også å huske på at i bofellesskap som dette har beboernes deltagelse, ansvarsfølelse og følelse av at de kan gjøre noe med sitt nærmiljø, at de kan sørge for at nærmiljøet fungerer godt og at de skal ha en god framtid der, også stor betydning. Sånn sett vil det ha stor verdi, det som bydelsutvalgene og bystyret når de har uttalt seg, har antydet om at

også de større samfunnsinteressene, som debatten om integrering. Vi skal behandle integreringsmeldingen her på Stortinget den 16. juni, og vi har hatt diskusjoner etter reportasjer fra Sverige om utviklingen i drabantbyområder der, med en stor andel utleie – også sett i et integreringsperspektiv. Når det gjelder å lykkes med områdesatsingene – som jeg vet statsråden er opptatt av nå, med forhandlinger om videre områdesatsing i Groruddalen Så jeg mener også at statsråden og regjeringen bør se denne saken, hvordan vi skal lykkes med områdesatsingene, i et integreringsperspektiv. Jeg mener vi i Norge kan være stolte av mye av det arbeidet som er gjort på integreringsområdet. Det at svært mange av dem som kommer til Norge og blir boende i Norge, også etter hvert eier sin egen bolig, mener jeg er en viktig grunn til at vi lykkes så godt, for når man eier egen bolig, gir det bedre økonomisk sikkerhet, og det bidrar også til bedre boforhold og bomiljø. Men det er heller ikke nok alene.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

Komiteen har derfor gitt hvert enkelt forslag en gjennomgang for å vurdere de prinsipielle sidene ved de foreslåtte lovendringene. Noen av forslagene har en samlet komité vurdert som hensiktsmessige og uproblematiske. Andre av forslagene er det ulike vurderinger av i komiteen og i flertalls- og mindretallsinnstillingene. Komiteen er enig i departementets forslag om hvordan sammenslåtte hvis det er slik at en eller flere av kommunene er i registeret fordi de er i økonomisk ubalanse. Vi er enig i at det skal foretas en ny og samlet vurdering etter sammenslåing. Komiteen er også enig i departementets forslag om at aksjelovens bestemmelser om aksjeeiers rett til å ta over en aksje som skifter eier, ikke skal gjelde når aksjer overføres fra en kommune til en ny kommune. Departementets forslag om deling og grensejustering i inndelingsloven er mer problematisk og har delt komiteen. Forslaget innebærer at regelverket for grensejustering skal benyttes når det gjelder områder som har mindre enn 10 pst. av innbyggerne, og at det kan benyttes for områder helt opp til 25 pst. av innbyggerne. Ved at grenseendringssaker blir behandlet som grensejustering, og ikke deling, senkes terskelen for involvering og innbyggermedvirkning. Jeg, sammen med flertallet i komiteen, mener saker knyttet til inndelings- og grensejusteringer er saker av stor betydning for lokalsamfunnet og de folkene som berøres. Det vil også være slik at grendesamfunn som dekker store deler av kommunen, vil inngå i de foreslåtte bestemmelsene om hva som er en mindre del av kommunen. Vi støtter derfor ikke departementets forslag til endringer i Komiteen støtter departementets forslag om det skal kunne gjøres unntak fra kravet om fylkesmannsinnkalt felles kommunestyremøte etter at det er gjort vedtak om kommunesammenslåing. Der det er gjort frivillige vedtak om kommunesammenslåing og kommunene allerede er enige om alle praktiske sider ved gjennomføringen av sammenslåingen, er det ikke behov for et fylkesmannsinnkalt felles kommunestyremøte. Der sammenslåing er vedtatt av Stortinget uten tilslutning lokalt, vil kravet om fellesmøte fortsatt gjelde. Komiteen har delt seg i vurderingen av departementets forslag om å formalisere bruken av § 17 i inndelingsloven, som gir hjemmel til å fastsette at det nye kommunestyret blir valgt av og blant medlemmene i de sammenslåtte kommunenes kommunestyrer. Mindretallet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, deler KS’ motstand mot forslaget med begrunnelsen at indirekte valg er mindre demokratisk enn nyvalg av kommunestyre. Jeg mener også det er all grunn til å stoppe opp ved uttalelsene fra professorene Bernt og Smith som begge er negative til forslaget om å formalisere bruken av indirekte valgt kommunestyre etter kommunesammenslåing. Professor Smith viser til den nylig vedtatte endringen i Grunnloven, hvor det nå er grunnlovfestet at innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Han mener en eventuell lovfesting av hjemmel til å gjøre unntak fra de ordinære reglene om valg til kommunestyre må utredes nærmere før det eventuelt kan vedtas av Stortinget. Komiteen deler seg også når det gjelder prinsippene for styring av kommunale foretak i parlamentarisk styrte Departementet ønsker å endre kommuneloven slik at kommunestyret/fylkestinget gis myndighet til å delegere større myndighet til kommuneråd/fylkesråd. Også når det gjelder dette forslaget, er jeg og mindretallet enig med KS, som sier denne foreslåtte lovendringen kan svekke den politiske og demokratiske styringen av kommunale foretak. En enstemmig komité slutter seg til departementets forslag om plikt til å kunngjøre møter. Vi er enig i at også møter som kan bli holdt for lukkede dører, og som gjelder kommunale foretak, skal kunngjøres. Til slutt til forslaget om hvem som kan velges som medlem av fellesnemnd for gjennomføring av vedtatt kommunesammenslåing eller fylkessammenslåing. En samlet komité er enig i lovendringen, som fører til at også medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd kan velges. av kommunal- og forvaltningskomiteen er slik at flertall i komiteen ikke nødvendigvis gir flertall i salen. I denne saken gjelder det endringene om deling og grensejustering i § 3 i inndelingsloven, der det er fremmet et mindretallsforslag, som jeg regner med at de selv vil gjøre rede for. Til slutt: Senterpartiet vil i samsvar med innstillingen ikke støtte endringer i inndelingsloven § 17 og kommuneloven §§ 62 og 70. 70. Helt til slutt vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid.

Det samme gjelder når det er snakk om deling av kommuner, eller når det er snakk om å justere grensene, f.eks. når en grend i en kommune ønsker å melde overflytting til nabokommunen. Departementet har i løpet av kommunereformen også gjort mange avklaringer knyttet til spørsmål som dukker opp underveis i lokale forhandlinger – alt fra hva som skal skje med differensiert arbeidsgiveravgift, til lokale jakt- og fiskerettigheter. I den foreliggende saken avklares også hva som skjer med en ROBEK-kommune, slik saksordføreren redegjorde for, som går sammen med en annen kommune. Der får Fylkesmannen nå fullmakter til å gjøre en vurdering av om ROBEK-registrering fortsatt er til stede – en praktisk løsning, som ikke var direkte avklart i lovverket før, men som nå blir det. På andre områder er, som saksordføreren også var inne på, enigheten ikke like stor i komiteen. I dag er det f.eks. ikke mulig å gjennomføre grensejusteringer samtidig med kommunesammenslåing. Spørsmålet er ikke om departementet skal kunne avgjøre grensejusteringer, for det kan departementet i dag, spørsmålet er om man også skal kunne avgjøre slike endringer i forbindelse med en sammenslåing, noe et flertall i komiteen – dog ikke i salen, håper vi – av litt uklare grunner går imot. Forslaget innebærer at en del grenseendringer skal kunne behandles som grensejustering, som så kan avgjøres av Kongen, og ikke må behandles i Stortinget så lenge det er enighet om sammenslåingen og delingen ellers. Siden komiteens flertall er slik saksordføreren redegjorde for, tar jeg herved opp forslag nr. 1 i innstillingen, på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Videre foreslår departementet å skrive inn i loven den praksis som er fulgt i mange år, om at man i en sammenslått ikke må avholde ekstraordinært valg hvis sammenslåingen effektueres fra et årsskifte da det ikke er forutgående valg om høsten. Hele eller deler av de eksisterende kommunestyrene eller fylkestingene utgjør da det nye folkevalgte organet fram til valg avholdes. Dette er altså en frivillig midlertidig ordning med folkevalgte som danner et nytt folkevalgt organ, og er, i motsetning til det saksordføreren antydet, godt i tråd med de grunnlovsendringene som denne salen har vedtatt.

ikke skal kunne slå seg sammen fra 1. januar 2018 uten å måtte avholde ekstraordinært valg først? Alle disse kommunene har søkt om sammenslåing, og er enige om å sette sammen nye kommunestyrer fram til neste ordinære valg. Hvorfor stemmer Arbeiderpartiet i dag imot at den praksisen de selv har fulgt, klargjøres i form av en eksplisitt lovhenvisning? Allerede i morgen skal denne salen behandle en sak om sammenslåing av Trøndelags-fylkene. Fylkestingene har vedtatt å sette sammen et nytt felles fylkesting fra sammenslåingsdatoen fram til neste valg. Men i dagens sak er det vanskelig å tolke Arbeiderpartiets stemmegivning, og for så vidt Senterpartiet og SVs, mot den foreslåtte stadfestingen av en langvarig praksis på annen måte enn at de mener at de trønderske fylkenes ønske ikke bør etterkommes, men at de pålegges ekstraordinært fylkestingsvalg. Det ville ha vært nyttig om særlig Arbeiderpartiet kunne klargjøre sitt ståsted i denne saken fra denne talerstolen, og hvis de ikke har rede svar i dag, kan jeg med glede

pilarer i kommunestruktur og kommunearbeid – både inndelingslov og kommunelov. Det er mye å si, for det er viktige saker, men jeg skal forsøke å gjøre dette kort og klart på vegne av Kristelig Folkeparti. Den pågående kommunereformen avdekker en del nye problemstillinger som må avklares. Kristelig Folkeparti er for kommunereformen, og vi ønsker å bidra konstruktivt til at den blir realisert på en god måte, i tråd med det som har vært Stortingets intensjon. I dagens sak er det snakk om hvilke virkemidler en kan bruke, altså hvilke verktøy en har i verktøykassen for å jobbe med kommunereformen. Når det gjelder spørsmålet om terskelen for grensejustering, går imidlertid Kristelig Folkeparti imot regjeringens forslag. Vi kan se de praktiske sidene ved forslaget, men det er et balansepunkt mot å avgi makt. I Kristelig Folkeparti mener vi at det at regjeringen skal kunne avgjøre grenseendringer opptil 25 pst. uten å måtte forelegge det, er for dramatisk for vårt grunnsyn. Terskelen på 10 pst. mener vi bør videreføres, og vi er enige med bl.a. KS om at i tilfeller der berørte kommuner ikke er enige, bør saken behandles av Stortinget. Den beste måten å sikre dette på, er å beholde dagens begrensning på områder som omfatter inntil 10 pst. av innbyggerne. Kristelig Folkeparti støtter derimot å kodifisere en langvarig praksis på det med sammenslåing mellom ordinære valg at det kan velges av et kommunestyre for resten av perioden, av og blant de sittende kommunestyrene, uten at en må ha ekstraordinært valg. Det er en god praksis, og ved å ta det inn i loven er det klargjørende og forutsigbart. Kristelig Folkeparti mener at dette både er rasjonelt og ivaretar demokratiet på en grei måte uten at man risikerer å få valg tre år etter hverandre. Vi vil peke på at erfaringen fra de siste årene tilsier at nettopp det er fornuftig. Kristelig Folkeparti støtter også at parlamentarisk styrte kommuner kan videreføre byrådets fullmakt til å velge styrer i kommunale foretak. Det tilhører delegasjonsreglementet. Det er kommunestyret eller fylkestinget selv som velger om de vil benytte denne muligheten.

innstilling. Venstre er tilhenger av kommunereformen som styrker lokaldemokratiet og flytter makt ned på lavest mulig nivå. Denne proposisjonen følger opp kommunereformen med forslag til endringer som er nødvendige for å få gjennomført en kommunereform på en god måte. Vi synes det er fornuftig at kommunesammenslåinger der én av kommunene er registrert i ROBEK, ikke tar statusen med seg inn i ny kommune, men at Fylkesmannen gir en Fylkesmannen gir en tidsavgrenset fullmakt til å vurdere om det fortsatt er behov for å kontrollere økonomien i den nye kommunen. Slik dagens regler om deling av kommuner er utformet, gis det ikke tilstrekkelig fleksibilitet i forbindelse med sammenslåing. Det er i dag ikke mulig å gjennomføre en eller flere grensejusteringer i forbindelse med kommunesammenslåing. Forslaget innebærer at begrensede deler av en slik grenseendring kan behandles som en grensejustering.

Muligheten til å gjennomføre grensejusteringer samtidig med sammenslåing eller andre grenseendringer fører til en mer helhetlig vurdering og til at nye grenser står seg lenger. Hensynet til gode sammenslåingsprosesser tilsier at prosesskravene ikke behøver å være mer omfattende enn nødvendig. Vi mener at dagens regler kan være til hinder for lokale ønsker om grenseendringer. Alternativt må slike endringer tas i etterkant at vedtatte sammenslåinger. Vi mener at prosesser knyttet til inndeling av grenseendringer er saker av stor betydning for lokalsamfunnet og folk som berøres. Jeg mener at forslaget tar hensyn til lokalsamfunnet og folk som berøres, ved at en får en reell mulighet til ønskede grensejusteringer i forbindelse med sammenslåingsprosesser. Det har i forbindelse med sammenslåing blitt reist spørsmål om ekstraordinære valg i de årene det ikke er ordinære valg høsten før sammenslåingen. Venstre for å lovfeste en hjemmel for å gjøre unntak fra reglene om kommunestyreperioder og sammensetning av kommunestyre og fylkesting. Det åpner for at hele eller deler av de direktevalgte kommunestyrene utgjør det nye kommunestyret før sammenslåingen til neste ordinære valg. Venstre mener at lovforslaget gir en praktisk måte å gjennomføre sammenslåinger på, ved alle årsskifter i kommunestyreperioden, og at de valgte kommunestyrene velger det nye kommunestyret i den sammenslåtte kommunen – av og blant medlemmene der. Et indirekte valg mellom to ordinære kommunestyrer og fylkesting svekker ikke lokaldemokratiet vesentlig når det skjer i forbindelse med noe som er ekstraordinært, og sjelden som en sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner. Jeg må si at jeg synes dette er relativt inkonsekvent fra Arbeiderpartiets side det representanten Jenssen nevnte som eksempel, og som vi får en sak på i morgen med sammenslåing av Trøndelag. Jeg har for så vidt forståelse for at SV og Senterpartiet mener det, noe som også er som deres forslag i innstillingen, men jeg synes det er veldig inkonsekvent av Arbeiderpartiet, for da burde partiet også ha fulgt dette i lignende saker. Det blir interessant å se hvordan det vil utarte seg i morgen, for det er ikke i tråd med det som er framlagt her. Når det gjelder grensejusteringer, er dette nettopp å ta folk på alvor – det grensejusteringer, er dette nettopp å ta folk på alvor – det at grender selv ønsker å bli en del av noe annet når man slår sammen nye kommuner. Det skjer i mitt område. Noen ønsker å bli en del av Rissa ytterst i den gamle kommunen som nå kommer til å bli sammenslått med Steinkjer. Det synes jeg virkelig er å ta folk på alvor. 80 pst. av folk i det området ønsker å tilhøre den nye kommunen, som ligger lenger vest. Det er nettopp nettopp dette jeg synes er veldig inkonsekvent av dem som roper om folkeavstemning og folkestyre. Det er virkelig folkestyre å ta grender på alvor. Det gjør vi med det vi får vedtatt i dag. Jeg registrerer at representanten

nå få svar. Som det har blitt sagt fra saksordføreren også, er det noe uenighet i hvordan man ser på de foreslåtte endringene som ligger i denne saken. Hvis Frank J. Jenssen kunne lese i dokumentene, så står det bl.a.: «Departementet meinte at unntaket frå vallova og kommunelova i samband med samanslåinga av Bodø og Skjerstad kommunar og av hadde tilstrekkeleg heimel i inndelingslova § 17 andre ledd bokstav b.» Da er det ganske kort forklart slik, som det også står i innstillingen, at vi «viser til at departementet mener en slik ordning kan gjennomføres etter eksisterende lovverk slik at det ikke trengs lovendring på dette punktet.»

De fleste av landets kommuner er nå inne i eller har vært inne i en diskusjon hvor det skal avklares hvordan de best kan sikre gode velferdstjenester til innbyggerne sine i fremtiden – om det er sammen med andre eller alene. I disse dager er det mange kommuner som har folkeavstemninger for å få råd fra sine innbyggere, mens andre gjennomfører innbyggerundersøkelser. Deretter skal lokalpolitikerne veie ulike hensyn opp mot hverandre og innen 1. juli gjøre vedtak til det beste for innbyggerne i fremtiden. Fylkesmennene skal innen 1. oktober oppsummere og komme med sin tilrådning, i tråd med Stortingets ønske. Så vil jeg komme tilbake til Stortinget med en proposisjon våren 2017. Gjennom prosessene som har vært i kommunene, har departementet blitt gjort oppmerksom på enkelte elementer i lovverket som er uklare eller uhensiktsmessige for kommunene som ønsker eller vurderer å slå seg sammen. Med dette lovforslaget foreslår regjeringen noen mindre, men praktisk viktige forslag til endringer i inndelingsloven. Samtidig foreslår vi noen endringer i kommuneloven. Inndelingsloven er en prosess- og gjennomføringslov for endring av kommune- og fylkesgrenser. Det er ikke foretatt en helhetlig gjennomgang av inndelingsloven nå, men regjeringen har fremmet forslag til endringer som har vist seg nødvendige for at loven skal kunne fungere som et godt redskap for endring av kommunegrenser. De foreslåtte endringene innebærer ikke mer statlig styring eller flere obligatoriske elementer i sammenslåingsprosessen. Endringene er dels nødvendige avklaringer og dels forslag som øker fleksibiliteten og legger til rette for gode lokale løsninger. Begge deler skal bidra til at lokale sammenslåingsprosesser kan gjennomføres på en god måte. Et av forslagene er at regjeringen skal kunne bestemme at kommunestyret i den nye kommunen kan velge av og mellom medlemmene i de sammenslåtte kommunestyrene. Departementets forslag forutsetter at kommunene selv både ønsker og vedtar denne fremgangsmåten. Flertallet i komiteen har i innstillingen gitt uttrykk for at forslaget er et uttrykk for utøvelse av lokalt selvstyre, og således er i tråd med Stortingets nylige behandling av grunnlovfesting av det lokale selvstyret. Jeg deler denne oppfatningen. Endringene i kommuneloven omhandler to tema. For det første foreslås endringer for å legge bedre til rette for åpenhet og møter i folkevalgte organer. Forslaget I tillegg foreslås det å lovfeste en mulighet for kommunestyrene i parlamentarisk styrte kommuner til å delegere styringen av kommunale foretak til byrådet eller til den enkelte fagbyråd. Forslaget er i tråd med et vellykket forslag som er gjennomført i Oslo kommune. Forslagene har i all hovedsak fått støtte i høringsrunden. Det blir replikkordskifte.

ugunstig at vi nå innfører dette uten at det har vært en skikkelig utredning, og at dette bør komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt etter en skikkelig utredning og ikke bli vedtatt på den måten vi gjør i dag. Hva er statsrådens vurdering av de uttalelsene? Det ga jeg uttrykk for i mitt innlegg. Jeg er enig med flertallet i denne sal,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 og vår komité har fått dei mest spennande. Både kommunereforma og regionreforma vil gje store endringar i den offentlege strukturen framover. Denne saka handlar om ulike sider ved lovverket når det gjeld kommunesamanslåing. Det gjeld m.a. ROBEK-status, forkjøpsrett til aksjar og deling og grensejustering ved kommunesamanslåing. Inndelingslova er ein viktig reiskap ved handsaming av den pågåande kommunereforma. Mange kommunar har vedteke intensjonsavtaler med nabokommunane, og det vil vere mange kommunar som gjennom forhandlingar vil måtte stadfeste nye grenser i tida som kjem. Kommunereforma er ikkje noko som stortingsfleirtalet gjennomfører fordi ein ynskjer å forandre Noreg. Det er noko ein gjer fordi ein ser at Noreg er forandra. Dette gjeld sjølvsagt også for kommunegrensene. Mange bygder kan i denne prosessen bli ein viktig del av ein ny kommune i staden for å bli ein utkant i den gamle. Ein samla komité viser til at departementet si grunngjeving for forslaga er at samanslåingsprosessane som følgjer av kommunereforma, skal gå smidig føre seg. Fleirtalet i komiteen viser også til at slik dagens reglar om deling av kommunar er utforma, gjev dei ikkje tilstrekkeleg fleksibilitet i samband med samanslåing. Det er Stortinget sitt ansvar å fastleggje kommunane sine oppgåver og grenser. Dette forslaget er ikkje eit ledd i meir statleg styring, men ei lovendring

Det er ikkje tvil om at dette aukar fleksibiliteten når fleire grenseendringar blir vurderte på same tid, og at det vil føre til meir heilskaplege vurderingar og dermed til at nye grenser står seg lenger. I mitt heimeområde blir det jobba med fleire spennande kommunesamanslåingar. Etter at Ørsta og Volda sa nei til kvarandre, blir det jobba vidare med ei samanslåing av Volda, Hornindal og Stryn. I den samanhengen har styret i Bjørke grendalag i eit ope brev til Ørsta kommune uttrykt at dersom Ørsta held fram som eigen kommune, er det naturleg at ein ser på justering av kommunegrensa for den delen av kommunen som gjeld Bjørke. Dette er ei svært fornuftig grensejustering, etter mitt syn, og eit godt døme på at ein gjennom kommunereforma også kan få til grensejusteringar som vil gje gode og tenlege grenser i framtida. No blir det opp til Bjørke grendalag, kommunane og Fylkesmannen å kome med gode grunngjevingar for ei slik grensejustering,

På den ene siden viser man til at man ikke ønsker å innføre denne kodifiseringen av en langvarig praksis fordi man mener at departementet allerede har en hjemmel. Det er for så vidt riktig at skiftende regjeringer nok ikke har brutt loven ved den måten man har bidratt til kommunesammenslåing på tidligere, men det kan være en fordel å få ting eksplisitt uttrykt i loven uten at det innebærer noen utvidelse

det hjemmelsgrunnlaget man mener man har i dag, er det underlig at representanten Lauvås i samme innlegg påberoper seg KS’ argumentasjon og viser til at KS i denne sammenhengen argumenterer med at det riktigste vil være å sette sammen de nye kommunestyrene i et nytt valg. Det framstår fortsatt som høyst uklart om Arbeiderpartiet mener at det kommunestyre eller fylkesting basert på de allerede folkevalgte, eller om man mener, slik man viser til at KS ønsker, at det må være ekstraordinære valg. Da får man mange valg på rad, slik det også er påpekt fra denne talerstolen. Jeg ble litt forundret over representanten

når det måtte komme på bordet. Jeg antar det er konsekvensen av det Arbeiderpartiet stemmer for i dag. Først takk til saksordføraren for å ha losa denne saka gjennom i komiteen i ei elles hektisk tid for komiteen. Eg synest det er fint at sjølv om komiteen jobbar med store saker på asyl- og innvandringsfeltet, med kommuneproposisjonen og er i innspurten med kommunereforma sin lokale prosess, klarer ein å akkumulera eit så stort engasjement for inndelingslova og spesielt § 17, og det synest eg er bra. Proposisjonen som me no har til behandling, ryddar opp i ein del ting, og eg trur kommunane set pris på føreseielegheit. Men eg må seia at eg har kost meg med å lesa både mediebiletet og eg må seia at eg har kost meg med å lesa både mediebiletet og innstillinga og sett korleis Arbeidarpartiet opptrer om dagen. Me ser alle at dei skiftar meining frå månad til månad og frå dag til dag. Det me ser i denne innstillinga, er at ein på same tid meiner tre forskjellige ting. Dersom ein ser på innstillinga knytt til § 17, som me har diskutert mest i dag, Så er dei med på ein merknad som seier at dei ikkje ser behov for å endra § 17 fordi loven er allereie grei, så det er ikkje behov for lovendring på dette punktet. Og så er kanskje det mest morosame at dei på same side som dei seier at det ikkje er behov for å endra loven, er med i ein merknad som seier: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at Justisdepartementet i sin høringsuttalelse mener at departementets forslag bør få som konsekvens at inndelingslova § 17 skrives om slik at det blir klart hva som skal gjelde.» Så dette er

gå imot, fordi ein er imot? Eg skal ikkje dra det opp til dei store høgder at me er veldig spente på kva Arbeidarpartiet vil meina, men det hadde vore veldig ryddig om Noregs største parti faktisk kunne vore klart og tydeleg og sagt noko i staden for å meina alt samtidig på same dag, som dei no har sett ny noregsrekord i å gjera.

I går var det 20 folkeavstemninger, og det ble vel ja i et par av dem, men ingen av dem hadde noen som ville slå seg sammen med dem, så det blir altså null sammenslåinger etter gårsdagens folkeavstemninger. Det ser ikke ut som om det haster så veldig med å få dette på plass, og heller ikke at det kommer til anvendelse i så mange saker. Men det er jo sånn at hvis 25 pst. av innbyggerne i en kommune kan løsrive seg uten at kommunestyret eller de øvrige innbyggerne har muligheten til å bestemme,

med investeringene, med gjelda, men som ikke har inntektene som de hadde tenkt å finansiere dette med? Det er årsaken til at vi er veldig skeptiske til at dette kan skje uten at kommunestyret får si sitt om saken. Representanten André N. Skjelstad har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. minutt. Det var et veldig avklarende innlegg fra representanten Greni. Jeg respekterer i store trekk det som er av folkeavstemninger, det gjør også denne sal, men nå dukket hun ut av skapet på mange måter. De er for Senterpartiet bare veiledende. Når det virkelige lokaldemokratiet berører grendene, vil altså

Så er det lokaldemokratiet som skal få lov til å si sin mening om en sånn sak. Det skal ikke overlates til regjering eller Kongen, som det står i lovverket. Det er faktisk sånn at lokaldemokratiet skal få si sin mening hvis 25 pst. av innbyggerne i en kommune ønsker å bytte kommune. Å ha respekt for folkeavstemninger kan jeg love at Senterpartiet også skal ha

Endringene gjør det mulig for private medeiere å kunne ta ut kraft tilsvarende egen eierandel som utbytte. Komiteen ser det som viktig at denne lovendringen kan bidra til at kraftforedlende industri får stabil tilgang til kraft på kommersielle vilkår. Komiteen legger til grunn at lovendringene ikke rokker ved kravet om reelt offentlig eierskap til vannkraftressursene, og forutsetter derfor at det i konsesjonsbehandlingene vil bli nøye vurdert hvorvidt selskapsavtalen gir de offentlige majoritetseierne mulighet til å utøve eierskapet slik at lovens formålsbestemmelse ivaretas. Industrielt eierskap i den form som det nå åpnes for, sikrer tilgang til egenkraft til industriproduksjon og reduserer behovet for eksterne kraftkontrakter. Dette vil gjøre industrien mindre sårbar for svingninger på kraftbørsen. Komiteen har ikke gått inn på de problemstillingene som blir reist ved at forslag til metode for verdsettelse av industriens egenkraft for grunnrenteskattformål nå har blitt sendt på høring. For min egen del vil jeg peke på at hensikten med lovendringen som vi nå gjør, er å sikre at industrielle eiere kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang. Forutsigbarhet og langsiktighet er viktig for kraftforedlende industri. Dagens lovendring vil bidra til dette, og jeg forventer at det ikke forringes ved andre endringer i industriens rammevilkår på dette området. Når jeg velger å ta ordet selv om det er en enstemmig komité, og selv om det er noenlunde grissgrendt i presselosjen, er det fordi jeg mener at dette på mange måter er en historisk dag. Industrikonsesjonsloven er en lov som har vært med oss siden vi begynte å høste industrielt av vannkraftressursene våre, og som har lagt grunnlaget for en god og effektiv forvaltning og mulighet for industrialisering basert på våre fantastiske fornybare vannkraftressurser. Jeg er glad for at vi har full politisk enighet bak oss i denne saken, og at det har vært tydelig fra denne saken ble lagt fram. Dette er en viktig sak for industrien. Det å legge til rette for fortsatt videreutvikling av kraftforedlende industri i Norge er viktig for å fortsette å skape store – og størst mulige – verdier basert på våre fantastiske fornybare vannkraftressurser, det er viktig for å skape lønnsomme arbeidsplasser, det er viktig i et klimaperspektiv, og det er viktig for å møte det ikke ubetydelige kraftoverskuddet vi ser. Med dette lovforslaget følger regjeringen opp Sundvolden-erklæringen. Vi Med dette lovforslaget følger regjeringen opp Sundvolden-erklæringen. Vi legger med dette til rette for nettopp det vi har lovet der, at industrielle eiere kan eie vannkraft på en måte som gjør at man ivaretar behovet for langsiktig, stabil og forutsigbar krafttilgang i et generasjonsperspektiv, samtidig som det skjer innenfor konsolideringsmodellen. Jeg er glad for at saksordføreren redegjorde for saken i stort på en god måte og også pekte på at vi med dette lovforslaget ivaretar hensynet til at de som er i kraftproduksjon, kan ta ut den i form av kraft, i stedet for – som i dag – bare som finansielt utbytte, samtidig som vi sikrer at den offentlige majoritetseieren fortsatt har full kontroll og eierrådighet over vannfallene, noe som er det elementet som garanterer at vi er godt innenfor europeisk konkurranserett med Jeg er også glad for at i forbindelse med det offentlige ordskiftet rundt denne saken har konsernsjefen i Hydro Aluminium, Svein Richard Brandtzæg, sagt at på grunn av denne lovendringen som i dag blir vedtatt, etter at regjeringen tidligere i år la fram forslaget,

situasjon hvor man trenger ny aktivitet og nye lønnsomme arbeidsplasser. Så jeg har bare lyst til å takke saksordføreren og resten av Stortinget for et meget godt og meget effektivt, må man kunne si, samarbeid om denne saken. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av

om behandlingen av trygdeoppgjøret. Jeg tror det er viktig, når vi behandler denne saken, at vi har historien med oss. Det startet med pensjonsforliket som samtlige partier, med unntak av Fremskrittspartiet, sto bak. Pensjonsforliket medførte at trygdeoppgjøret ble – kort forklart – en mer teknisk beregning kort forklart – en mer teknisk beregning basert på lønns- og prisvekst, fratrukket 0,75 pst. Etter pensjonsforliket har Stortinget fått saken til behandling i samme tidsrom som revidert nasjonalbudsjett. Når det er en teknisk beregning, foreslo regjeringen at dette kunne behandles sammen med revidert nasjonalbudsjett. Det sto tydelig omtalt i statsbudsjettet for Arbeids- og sosialdepartementet som vi behandlet i fjor høst, på side 15 i proposisjonen under delkapittel Ny rutine for budsjettering. I etterkant ser vi at dette har skapt relativt stor debatt og engasjement blant mange av landets pensjonister, i tillegg til forslagsstiller. forslagsstiller. Samarbeidspartiene Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har alltid vært lyttende når det kommer innspill fra mange av landets pensjonister. Det har ikke vært noen prestisje for oss i denne saken, og vi er helt enig i at selve trygdeoppgjøret og behandlingen av pensjoner er en stor og viktig sak som fortjener en grundig debatt. en grundig debatt. Derfor er jeg glad for at de fire partiene i dag, i merknads form, ber regjeringen om hver høst å komme tilbake til Stortinget med en melding der bl.a. bakgrunnsdokumentene for trygdeoppgjøret legges fram for å få en god og grundig debatt her i denne sal. Det er viktig, for utfordringen med oppgjøret er at det i stor grad bygger på antakelser. Lønnsoppgjøret, som trygdeoppgjøret legger til grunn, er ikke nødvendigvis alltid ferdig på det tidspunktet trygdeoppgjøret fastsettes. Samtidig vet ingen hva inflasjonen, prisstigningen, kommer til å være. Da er vi glade for at vi hver høst får en melding og kan følge opp situasjonen etter flere måneder. Samtidig står Stortinget alltid fritt til å kunne foreta Det vil ikke være helt i tråd med pensjonsforliket, men Stortinget er selvfølgelig alltid suveren til å gjøre det, og man kan komme med signaler til framtidig oppgjør. Jeg er glad for at vi får det. Jeg ser at forslagsstilleren sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer forslag om at dette i stedet skal behandles på våren, og jeg vil anta at de selv kommer til å argumentere for det utover i og jeg vil anta at de selv kommer til å argumentere for det utover i debatten i dag. La det være helt klart at alle partier i denne sal anser at en god og grundig debatt er viktig. Diskusjonen i dag handler om hvorvidt dette skal være på våren eller på høsten. Pensjon er et område som det er forskjellige synspunkter på i denne sal. pensjon er vel kjent: Mens mange andre partier ser på pensjon som en ytelse man får av staten, anser Fremskrittspartiet at pensjon er noe man har opptjent og betalt inn til gjennom et langt liv. liv. Jeg er glad for at vi har en regjering som ved flere anledninger har styrket pensjonistenes økonomiske situasjon, noe vi også skal behandle her i salen på fredag i en sak om å styrke enslige minstepensjonister. Regjeringen har tidligere redusert avkortningen for gifte og samboende pensjonister. Vi har heldigvis en regjering som tar pensjonistene på største alvor. Bakgrunnen for at vi har dette representantforslaget til behandling, er alvor. Bakgrunnen for at vi har dette representantforslaget til behandling, er at regjeringa på egen kjøl har bestemt at trygdeoppgjøret ikke er viktig nok til å presenteres som egen sak for Stortinget. Arbeiderpartiet er ikke enig i regjeringas vurdering. I går ettermiddag fikk forslagsstiller, representanten Kirsti Bergstø, en velfortjent blomst av Pensjonistforbundet for å prøve å sikre at trygdeoppgjøret får den behandling som sakens betydning Dessverre kommer forslaget til å bli nedstemt. Komiteen og stortingsflertallet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, synes å mene at dette bare er ren budsjetteknikk. Det er det selvfølgelig ikke, og saksordføreren glemte å si hvorfor oppgjøret i år er en teknisk beregning, mens det i fjor for Fremskrittspartiet var en stor politisk sak. Vi er enig i at det er en politisk sak, fordi det handler om en av de største utgiftspostene i statsbudsjettet, og det handler om inntekten til over en million innbyggere. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at en så viktig sak skal forelegges Stortinget, med analyser av inntektsutvikling og fordelingsprofil. Det kom som lyn fra klar himmel at trygdeoppgjøret ikke lenger skulle legges fram for Stortinget. Verken i trygdeoppgjøret 2015 eller i budsjettet for 2016 kom det signaler fra regjeringa om at 2015 var siste gang. I budsjetthøringen for 2016 advarte imidlertid Pensjonistforbundet mot regjeringas forslag til ny budsjettpraksis, ved at trygdeoppgjøret heretter skulle budsjetteres på de enkelte postene i budsjettet i stedet for på ymseposten. Arbeiderpartiet valgte å ta Pensjonistforbundet på alvor og ba regjeringa vurdere denne praksisen på Flertallet kunne i fjor imidlertid berolige alle med følgende merknad: «Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, merker seg at ny budsjetteringsrutine ikke påvirker gjennomføringen av trygdeoppgjøret.» Det var ikke tilfelle. Etter Arbeiderpartiets oppfatning er en vesentlig del av gjennomføringen av trygdeoppgjøret at det kommer til behandling i Stortinget. Det er overraskende at regjeringa er så dårlig samkjørt med sine egne stortingsgrupper og støttepartier, hvis det da ikke skyldes at regjeringa, inklusiv finansminister og partileder Siv Jensen, helst vil prøve å unngå framtidige pensjonssprell som dem vi så ved oppgjøret i fjor, da «regjerings-FrP» mente én ting og «stortings-FrP» noe annet. Rett nok var det en annen statsråd ved oppgjøret i fjor, men Solberg-regjering er Solberg-regjering, uavhengig av hvem som til enhver tid sitter som statsråd i det enkelte departement. departement. Under trygdeoppgjøret i fjor uttalte daværende statsråd at vi skulle behandle trygdeoppgjørene på samme måte framover som vi alltid har gjort. Det ble samtidig varslet at regjeringa skulle gjennomgå den tekniske beregningsmåten for oppgjørene, siden det i 2015 for første gang ble et minusoppgjør for pensjonister, mens andre gikk i pluss. Det samme har skjedd nå i 2016, og regjeringa mener at det er det mest sannsynlige resultatet også for 2017 og 2018. Regjeringa skulle komme tilbake til Stortinget med sin vurdering. Det har regjeringa ikke gjort. Trygdeoppgjøret for 2016 ville vært en glimrende anledning for en slik diskusjon, basert på fakta om fordeling og inntektsutvikling for de ulike gruppene som er avhengig av trygdeoppgjøret. I stedet har regjeringa valgt å presentere en skryteliste i RNB som er mer tilslørende enn opplysende. Med 2,2 mrd. kr i skattekutt, 2,7 mrd. kr til pensjonistpar og 82 mill. kr til enslige alderspensjonister med minstepensjon, har den gjennomsnittlige pensjonist fått en positiv inntektsutvikling, kan vi lese der. I parentes bemerket var tillegget til enslige minstepensjonister med alderspensjon ikke regjeringas verk, ikke Høyres verk, ikke Fremskrittspartiets verk, det kom etter press fra regjeringas støttepartier i Stortinget. Arbeiderpartiet hadde samme forslag, men for øvrig at det skulle gjelde alle reelle minstepensjonister, ikke bare dem med alderspensjon. Men tilbake til regjeringas skryteliste – Arbeiderpartiets spørsmål er: Hvordan er fordelingsprofilen på den? Et betimelig spørsmål er hvordan dette slår ut for enslige pensjonister sammenlignet med dem som er to? Hva er fordelingsprofilen når det gjelder skattekutt? Hvem får mest? Og hva med dem som har så lite at de ikke betaler skatt? Alle disse viktige spørsmålene kunne vi diskutert hvis trygdeoppgjøret ble lagt fram på vanlig måte. Det har regjeringa, dvs. Høyre og Fremskrittspartiet med støtte fra Venstre, bestemt at ikke skal skje partipolitisk forståelig, men ikke av hensyn til pensjonistene, spesielt ikke for dem som har minst. Med dette tar jeg opp mindretallsforslaget, som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV står bak. Representanten Lise Christoffersen har tatt opp det forslaget hun refererte til. For Høyre er

Høyre synes det er viktig med årlige trygdeoppgjør, som gir muligheter og oversikt over den økonomiske situasjonen for landet, for arbeidstakerne, for pensjonistene og, selvsagt, for trygdemottakerne. Det at trygdemottakerne og trygdeoppgjøret tidligere har vært en sak for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, endres nå til at det blir en egen sak i det ordinære statsbudsjettet – og dermed i praksis også en god anledning i det reviderte statsbudsjettet. Dermed kan partier som ønsker det, fremme alternative forslag som settes i budsjettmessig sammenheng, og ikke som løse bevilgningsforslag, som ikke salderes i statsbudsjettet, i revidert budsjett eller i saldert budsjett, som det vel kan sies vi har sett tidligere i denne salen. Jeg registrerer for øvrig at det kun var SV som i fjor hadde andre forslag til trygdeoppgjør enn det som ble framforhandlet av regjeringen. Det ser vel ut til – ut fra den debatten som iallfall jeg har registrert – at så er tilfellet også for trygdeoppgjøret 2016. Dermed er det ingen diskusjon om selve trygdeoppgjøret, om resultatet eller om selve gjennomføringen. I statsbudsjettet er det allerede lagt inn forventet lønnsvekst i både privat og offentlig sektor. Det er lagt inn prisstigning og anslag for rentenivå. rentenivå. Eventuelle endringer opp eller ned gjøres da i revidert budsjett eller i salderingen under Stortingets behandling i desember. Til grunn for en regulering ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste årene. Regelen innebærer at grunnbeløpet og alderspensjon under opptjening blir regulert i samsvar med lønnsveksten. Uføretrygd og andre ytelser som blir regulert i tråd med endringer i grunnbeløpet, blir dermed regulert i samsvar med lønnsveksten. tilsvarende for andre pensjonsordninger. For alderspensjon under utbetaling gjelder andre regler. Det er ofte det diskusjonen i denne saken har vært om. Dette ble bestemt av Stortinget i 2007 og innebærer i praksis at alderspensjon under utbetaling skal reguleres ved et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, fratrukket en fast faktor på Dette er en modell som er slått fast i Sundvolden-erklæringen og ligger til grunn for et stort flertall i Stortinget. For 2016 er resultatet av forhandlingene at grunnbeløpet øker fra 90 068 kr til 92 576 kr fra 1. mai 2016. Dette er en økning på 2 508 kr, som Regjeringen hadde grunnlagssamtaler og forhandlinger med Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets Seniorforbund, LOP, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne. Det har vært enighet om tallgrunnlaget for reguleringen for 2016. I 2016 er lønnsveksten i snitt satt til 2,4 pst., mens konsumprisindeksen er forventet å øke med 2,9 pst. Vi vet at flere blir arbeidsledige, flere blir permitterte. Disse opplever til dels stor reduksjon i sin kjøpekraft. En rekke enkeltbedrifter har vedtatt lønnsreduksjoner og lønnsfrys. Svært mange vil derfor få redusert kjøpekraft neste år. Det vil også gjelde for noen pensjonister. Samtidig har regjeringen – sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre – bidratt til vesentlige skattelettelser, som også kommer de samme pensjonistene til gode. Dette gjelder i første rekke økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister, skattelettelser, redusert formuesskatt og økt grunnpensjon til enslige minstepensjonister. Samlet sett styrker dette økonomien til 600 000 pensjonister og 145 000 uføretrygdede. Jeg registrerer at trygdeoppgjøret i seg

Neste taler er representanten

sakens utvikling og gang at komiteen har behandlet den mer grundig. Men til saken. Jeg vil vise til det saksordføreren sier, og som også står i innstillinga, at det er en endret praksis i måten en nå utbetaler eller budsjetterer oppgjøret på, fordi det nå er regulert i lov og forskrift. Det gjør også sitt til at vi ikke trenger å få den samme saken til Stortinget.

budsjett, og at det også kan være mulig å fremme alternative endringer. Når det allikevel er regulert i lov og forskrift, settes jo saken i et litt annet lys. Men jeg synes det uansett er riktig at en får presentert bakgrunnstall, prognosene for oppgjøret osv. i en egen melding. Så vil jeg si at pensjonsreformen kan være krevende å forsvare. Det er bra at det er et så bredt flertall i denne sal som står bak den. Men det er helt nødvendig å sikre at vi klarer å stå lenger i arbeid, og at vi kan ta vare på bærekraften i reformen. Jeg er usikker på dem som står her og debatterer pensjon om 20–30 år – om det ikke er ytterligere innstramninger i pensjonen. Det det. Derfor er det heller ikke noen grunn til å skape en stor debatt ut av selve saken. Ikke det at jeg mistenker forslagsstillerne for bare å skape støy rundt saken – jeg tror oppriktig på det som har vært bakgrunnen – men det er ikke noen vits i at debatten i år skal dreie seg om hvorvidt det skal være en egen sak eller ikke. Da må en i så fall heller gjøre som SV har gjort – fremme alternative forslag. Det er det jeg opplever at de ønsker grunnlaget for og muligheten til å kunne gjøre. Men jeg vil advare mot å endre systemet i den retningen, rett og slett fordi en fort lesser regninga over på neste generasjon. Iallfall slik jeg leser prognosene, perspektivmeldinga og andre ting, vil utfordringen bli veldig stor i framtida. Når det er sagt, vil jeg allikevel vise til at vi gjennom budsjettforliket klarte å løfte dem som har minst – minstepensjonistene får 4 000 kr mer. mer. Som det er blitt vist til tidligere, lå det inne å redusere avkortingen for gifte og samboende pensjonister. Å ta debatter om pensjonssystemet synes jeg er viktig og relevant, men det er etter mitt skjønn og mitt syn også viktig at flertallet i Stortinget klarer å tenke på de langsiktige utfordringene. Slik jeg nå ser det, er det ikke noen grunn til å rokke ved pensjonssystemet, pensjonsreformen. Da er det heller grunn til til eventuelt å måtte gjøre justeringer som sikrer bærekraften i systemet. Men det er en annen sak. Jeg er glad for at Stortinget nå er enig om at vi skal få en behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget hvert år, og at det gjøres etter en melding i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Den norske velferdsmodellen er

De som er utenfor arbeidslivet på grunn av alder eller manglende arbeidsevne, får sine økonomiske grunnvilkår avklart gjennom trygdeoppgjøret, hvor regulering av grunnbeløp i folketrygden og særregler for minstepensjonister avklares. Trygdeoppgjøret omfatter mange hundre tusen mennesker og er en svært viktig del av fordelingspolitikken. Det er viktig for å sikre at de som er utenfor arbeidslivet, har en anstendig pensjon å leve av i høykostlandet Norge. Senterpartiet støtter representantforslaget fra SV om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget, slik sakens viktighet og tradisjon tilsier. Trygdeoppgjøret har vært lagt fram som egen sak for Stortinget i flere tiår. Dette førte til at Stortinget måtte behandle den økonomiske situasjonen for bl.a. landets alderspensjonister. Senterpartiet mener en slik behandling gir saken det alvor den fortjener. Som følge av den norske tradisjonen med et velorganisert arbeidsliv er det tilsvarende viktig å ha en tillitsfull involvering av pensjonistorganisasjonene, nettopp fordi de spiller en viktig rolle i videreutviklingen av velferdssamfunnet, hvor de som frivillige organisasjoner gjør en stor og fortjenestefull jobb i mange sammenhenger, både sentralt og lokalt. Det er viktig å presisere at konsultasjon mellom staten og pensjonistorganisasjonene er en forberedelse til Stortingets behandling – dette fordi det bare er Stortinget som etter § 75 i Grunnloven kan bevilge de nødvendige pengebeløp for å dekke statens utgifter. Trygdeoppgjøret er en Den økonomiske situasjonen for folk endres nå radikalt fra den ekstremt sterke realinntektsøkningen som har vært på 2000-tallet, til en situasjon med realinntektsnedgang, som blir konsekvensen for bl.a. pensjonistene. Dette faktum er det viktig å få en årlig, fullverdig vurdering av ved at bl.a. trygdeoppgjøret legges fram for Stortinget Dette må skje samtidig som eksempelvis lønnsoppgjøret i privat sektor avklares mellom partene og de andre oppgjørene som staten er part i, eksempelvis lønnsoppgjøret for statsansatte og jordbruksavtalen, behandles i Stortinget. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres forslag i innstillinga om at informasjon om trygdeoppgjøret gis i egen melding sammen med statsbudsjettet på høsten, vil ikke være en forsvarlig løsning, fordi behandlingstidspunktet i Stortinget tas vekk fra det tidspunkt hvor helheten i lønns- og inntektspolitikken har folks og Stortingets fulle oppmerksomhet. Det er viktig at en har den fulle oppmerksomhet om helheten, og da må pensjonistenes situasjon behandles samtidig som de arbeidsføres situasjon. Derfor vil bare behandling på våren gi en reell behandling i Stortinget. Trygdeoppgjøret er som sagt veldig viktig, og som følge av svakere statsfinanser i årene framover vil det bli behov for å husholdere tydeligere med statens utgifter. Dette vil sjølsagt også omfatte de store bevilgningene som er konsekvensen av trygdeoppgjørene. For Senterpartiet er det derfor viktig å ha en løpende politisk diskusjon i Stortinget, tilpasset norsk økonomisk virkelighet, hvor Senterpartiets ledestjerne er å sikre mer økonomisk jambyrdige forhold mellom folk – mer økonomisk jambyrdige forhold mellom folk. Dette er en grunnstein i vårt politiske verdigrunnlag, og derfor må trygdeoppgjøret behandles på våren, sammen med de andre

som neste generasjon skal få lov til å finne ut av. Pensjonsforliket er den eine store reforma som dette hus har klart å vedta dei siste ti åra som til ei viss grad gjer noko med den utfordringa. Vi framtidige pensjonistar skal vere med og bidra gjennom levealderjustering, og dagens pensjonistar er med og bidrar gjennom den såkalla underreguleringa, som gjerne har vore målet for kritikk i forbindelse med trygdeoppgjer. I statsbudsjettet for i år tek ein konsekvensen av at trygdeoppgjera no blir styrte av lovreglar, forskriftsreglar, er føreseielege og dermed også moglege å budsjettere. Ein flyttar dette vekk frå ymseposten og over på postane der det og over på postane der det høyrer heime. Det er fornuftig og blir også opplyst om i budsjettdokumenta. Når det er sagt: Vi som vedtok budsjettet og las det, burde kanskje forstått at den logiske konsekvensen av ei slik endring i praksis var at Stortinget heller ikkje ville få ei eiga sak om våren, men eg må seie at det var det ikkje heilt opplagt at vi skulle forstå. forstå. Eg trur det var mange som ikkje forstod det. Difor kjem denne debatten i salen no, og SV har teke opp dette på ein rosverdig måte. Det var også grunnen til at Venstre støtta at vi skulle ha hurtigbehandling av det forslaget SV la fram, fordi vi meinte at det var riktig at Stortinget diskuterte og behandla det fort. No vart det ikkje noko av det, men heldigvis har komiteen vore villig til sjølv å behandle saka fort, på ordinært vis, og vi har slik fått ein debatt i vårsesjonen om dette. Det er bra. Så har vi også, frå fleirtalet si side i alle fall, landa på det som er ein fornuftig konklusjon, og det er at vi kjem til å få ei eiga sak i Stortinget og behandle ho i si fulle breidde til hausten og hausten deretter. Mange vil kanskje meine at dette er sandpåstrøing, og vi vil nok ikkje sjå at partia fremjar nokon faktiske forslag, andre enn moglegvis SV, men frå Venstre si side har vi like fullt respekt for og forståing for det ønsket som er: å få ei grundig utgreiing, tal på bordet, informasjon, og det å diskutere ei viktig sak i Noregs viktigaste hus. Det ser eg fram til å gjere til hausten. Eg trur det er ein god konklusjon vi har landa på i dag, og eg håpar at også forslagsstillaren frå SV er fornøgd med at Stortinget vel å endre kurs ut frå det som vart skissert i statsbudsjettdokumenta. Heilt til sist klarar eg ikkje la vere å kome med ein kommentar til saksordføraren, fordi representanten Wiborg står her og seier at han og Framstegspartiet «anser» pensjon som noko ein har betalt inn og får tilbake. Ja, han må gjerne «anse» det som det, men det gjer det ikkje riktig. Dersom det var riktig, ville vi ikkje hatt noko å diskutere her i dag. Dersom det var slik at vi hadde ei rein innskotspensjonsordning for alle i dette landet, og dei henta ut det dei betalte inn, ville ikkje Framstegspartiet kunne gått til val på å auke pensjonane til nokon som helst. Vi ville ikkje hatt eit trygdeoppgjer. Det er fordi vi har eit pensjonssystem som har omfordelande verknad. Det trur eg også at Framstegspartiet eigentleg er for, fordi det betyr at dei som ikkje har klart å stå eit langt liv i jobb, eller kanskje ikkje alltid har fått jobb eller klart å betale inn veldig mykje, likevel får ein anstendig pensjon gjennom eit omfordelande velferdssystem. Det er vi alle for, og då driv vi ikkje med og bør ikkje drive med ein retorikk som tilslørar det som er

brudd med en lang tradisjon der Stortinget orienteres om utviklingen i trygden, og der norske pensjonisters trygdeoppgjør får sin rettmessige behandling i Stortinget. Jeg må også si at dette skjer i en spesiell situasjon. For andre år på rad taper pensjonister kjøpekraft. Regjeringens egne prognoser tilsier at det vil være tilfelle også de neste årene. årene. Jeg synes det er vanskelig å finne noen god grunn til å ta trygdeoppgjøret bort fra Stortingets sakskart, med mindre man vil leke politisk gjemsel, og med mindre det er sånn at man vil hindre debatt og kritikk og nærmere blikk på den økonomiske utviklingen for landets pensjonister. Situasjonen med tap av kjøpekraft burde vært grunnlag for initiativ i motsatt retning, nemlig hvordan man kan sikre at landets pensjonister ikke blir hengende etter mens prisen på brød og bolig stiger. Fremskrittspartiet omtaler pensjonsreformen med en ren matematisk forståelse, som tvinger fram redusert kjøpekraft. Men pensjonsreformen er en politisk reform. Det er selvfølgelig mulig å gjøre politiske vurderinger hvis man mener at den har uheldige virkninger ved seg. Jeg synes også det har vært spesielt å høre at det har vært vist til at alle kunne påvirke prosessen i revidert, og at det er der man kan fremme forslag, all den tid høringen i revidert har funnet sted før trygdeoppgjøret. Det kaller jeg en

Derfor er jeg glad for at vi har klart å presse regjeringen til å anerkjenne viktigheten av trygdeoppgjøret ved at regjeringspartiene nå har snudd og skjønt at saken må til Stortinget. Men det å legge fram en melding om høsten er ingen fullgod løsning. Alle vet at det ikke følger penger med en stortingsmelding. Det er vanskelig å se på ønsket om å ta trygdeoppgjøret bort som egen sak til fordel for en melding, som noe annet enn et forsøk på å skille penger og pensjon. Trygdeoppgjøret finner sted om våren. Derfor må det også behandles i Stortinget om våren. Å behandle en melding om trygdeoppgjøret om høsten er litt som å invitere på sopptur i januar. Det er hyggelig å bli invitert med på tur, men det er få muligheter til å finne sopp. SV krever en fullverdig behandling av trygdeoppgjøret. Det er derfor vi i dag fremmer forslag om at trygdeoppgjøret legges fram som egen sak for Stortinget fra og med trygdeoppgjøret 2017. Jeg synes også at det er spesielt å mene at en så viktig sak skal tas bort fordi det ikke er tradisjon for på fremme mange forslag til den. Dette handler om muligheten til å se på en retning, kunne diskutere oppgjøret og se det i sammenheng med revidert

Gjeldende regulering sikrer pensjonistene forutsigbarhet ved at utviklingen i pensjonene er knyttet til lønnsutviklingen. Dette bidrar også til at utgiftene til pensjoner står i forhold til lønnstakernes bæreevne, og det er viktig ikke minst i krevende tider som nå. Fordi Stortinget har fastsatt klare og forutsigbare regler for regulering av pensjoner, er det mulig å hensynta utgiftene til pensjon på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett allerede i statsbudsjettet. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 20l6 i fjor høst ble det derfor vedtatt en budsjettmessig endring som innebærer at den anslåtte effekten av inneværende års regulering av grunnbeløp og pensjoner ble budsjettert på relevante poster på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett. Som flere har vært inne på, ble disse midlene tidligere budsjettert på Finansdepartementets ymsepost, for deretter å bli flyttet, gjennom en egen proposisjon om tilleggsbevilgninger på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett i forbindelse med trygdeoppgjøret. Som en følge av denne omleggingen, hvor altså anslått budsjetteffekt av pensjonsreguleringen allerede var lagt inn i statsbudsjettet, var det ikke behov for en egen budsjettproposisjon med forslag til tilleggsbevilgninger i forbindelse med årets trygdeoppgjør. Denne budsjettomleggingen har ingen realitetsbetydning for gjennomføringen av selve trygdeoppgjøret. Stortinget har mulighet til å behandle trygdeoppgjøret i den ordinære budsjettbehandlingen og i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Som flere har vært inne på, var det nettopp i den forbindelse at regjeringen i fjor høst foreslo for Stortinget å øke grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister, et forslag som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ikke ville støtte. Og det var i den samme budsjettbehandlingen Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre også ble enige om å styrke enslige minstepensjonisters økonomi med 4 000 kr. For en gjennomsnittlig alderspensjon gir trygdeoppgjøret en økning på 4 600 Økt grunnpensjon til gifte og samboende gir en økning på rundt 4 000 kr til ca. 650 000 alderspensjonister og uføretrygdede, mens økt pensjon til enslige minstepensjonister gir en økning på 4 000 kr til mellom 70 000 og 80 000 alderspensjonister. Med bakgrunn i at vi nå har i underkant av 900 000 alderspensjonister og en bevilgning over statsbudsjettet til alderspensjon på over 200 mrd. kr i 2016, er pensjonistenes inntektsforhold og inntektsutvikling naturligvis en så stor og viktig sak at det er naturlig at den blir gjenstand for debatt i Stortinget. Regjeringen har ikke med endret budsjetteringspraksis ønsket å begrense Stortingets involvering i trygdeoppgjøret. Snarere tvert imot var hensikten med omleggingen å få en mer tydelig debatt om pensjonistenes inntektsutvikling ved å knytte pensjonsreguleringen mer direkte til behandlingen av statsbudsjettet, hvor også prioriteringer kan følges av penger gjennom forpliktende vedtak i Stortinget. Jeg registrerer at spørsmålet likevel har skapt engasjement både i Stortinget og blant pensjonistorganisasjonene. Det er imidlertid ingen uenighet om at informasjon om en så viktig sak kommer til Stortinget. Det vi diskuterer, er når og på hvilken måte informasjonen skal legges fram for Stortinget. Jeg registrerer at stortingsflertallet ønsker at trygdeoppgjøret fortsatt skal fremmes som egen sak, i form av en melding til Stortinget om høsten, sammen med statsbudsjettet. De tidligere budsjettproposisjonene i forbindelse med trygdeoppgjøret har bl.a. inneholdt en del bakgrunnsstoff om reguleringen og utviklingen av de ulike ytelsene som er omfattet av reguleringen, og protokollen fra drøftingsmøtene med organisasjonene. Dette er opplysninger som etter min mening kan inngå i en melding som legges fram om høsten. høsten. Jeg vil legge opp til at det allerede fra kommende høst fremmes en egen melding til Stortinget i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2017. Dette er også langt på vei i tråd med regjeringens intensjon da vi foreslo å legge fram den samme informasjonen i forbindelse med statsbudsjettet. Det blir replikkordskifte. Statsråden vender stadig tilbake til budsjettet for

at dette var ment som en varig økning av nivået til minstepensjonister og pensjonistpar. Nå opplever vi at dette trekkes inn i diskusjonen om trygdeoppgjøret. Så jeg vil gjerne be statsråden klargjøre om det har vært planen hele tida at en skulle framstille årets trygdeoppgjør som å gå i pluss fordi en har hevet nivået på pensjonene for noen. Og et tilleggsspørsmål: Hva med dem som ikke har fått hevet sine pensjoner og ikke fått noe skattekutt?

bra ut, og til og med i pluss, er det ikke minst på grunn av de andre vedtakene som er fattet i denne salen, som går på økningen av grunnpensjonen for gifte og samboende, og også økningen til minstepensjonistene, men også skattelettene. Vi mener at det også er en del av det store bildet når man snakker om pensjonistenes kjøpekraftsutvikling. Som jeg har nevnt tidligere, i en annen sak i forrige uke da dette ble debattert, ser vi også at inntektsutviklingen for pensjonistene har blitt vesentlig forbedret de siste årene. Om jeg husker tallet riktig, har samtlige over 62 år fått en forbedret økonomi på mer enn 5 pst., og det er også en del av dette

eller i statsbudsjettet, som er det naturlige stedet. Når vi er opptatt av at det skal behandles i forbindelse med budsjettene, er det nettopp fordi man da også ser det i sammenheng med øvrige prioriteringer. Det er da man kan la handling følge ord og man også viser at man er villig til å prioritere. Men selve endringene i budsjettene gjør man ikke i selve trygdeproposisjonen. Det gjorde man heller ikke tidligere, om jeg husker rett. Det er det man gjør i revidert budsjett eller i statsbudsjettet.

Til en litt annen vinkling, men samtidig berører også det spørsmålet litt det med teknikk eller ikke teknikk: Statsråden ga i spørretimen sist onsdag og i innlegget sitt her nå uttrykk for at trygdeoppgjøret egentlig bare er en formsak som Stortinget ikke trenger å behandle. Hvordan definerer statsråden da innholdet i organisasjonenes drøftingsrett?

på statsbudsjettet. Så det er ingen uenighet om at man ønsker å ha en debatt om dette. Men så er det en realitet at som en følge av pensjonsforliket, hvor man lovregulerte hvordan reguleringen skulle skje, har trygdeproposisjonen, trygdeoppgjøret i seg selv, endret karakter. Nå blir selve reguleringen mer teknikk, all den tid man ønsker å følge det Stortinget vedtok den gangen. Men det betyr jo ikke at man ikke kan drøfte andre spørsmål; man kan til og med drøfte det spørsmålet også. Vi diskuterte dette spørsmålet med pensjonistenes organisasjoner, men vi hadde allerede da sagt, etter en gjennomgang av reguleringsmekanismene, at vi ønsket å stå fast ved det Stortinget vedtok i forbindelse med

Men i meldingen vil vi naturligvis diskutere ulike forhold i pensjonistenes inntektsutvikling, skatt og andre relevante spørsmål, protokollene fra trygdedrøftingene og annen informasjon som er relevant. Og så får Stortinget behandle den meldingen sånn som Stortinget skal behandle den type meldinger, og i den grad Stortinget mener at man skal gjøre andre prioriteringer eller andre vedtak eller legge andre forutsetninger til grunn, står Stortinget fritt til å gjøre det i behandlingen av meldingen, men ikke minst også i forbindelse med statsbudsjettet, hvor pengene bevilges. Et spørsmål er å se ting i sammenheng og å se nettopp trygdeoppgjøret som en sak for seg. En diskusjon som naturlig oppstår når vi ser at kjøpekraften til pensjonistene svekkes for andre år på rad, og at prognosen fra regjeringen tilsier at det skal skje også i de nærmeste årene, er hvilke unntak som kan gjøres fra pensjonsforliket. Da tenker jeg på hvilke «særlige forhold» som skal til for å unntak som kan gjøres fra pensjonsforliket. Da tenker jeg på hvilke «særlige forhold» som skal til for å kunne se bort fra den matematiske utregningen som det refereres til som begrunnelse for svekket kjøpekraft i de oppgjørene som har vært, og de som skal komme. Da lurer jeg på om statsråden jeg på om statsråden mener at «særlige forhold» er en politisk vurdering, og hvilke vurderinger hun legger i det. «Særlige forhold» knytter seg utelukkende til selve beregningen av lønnsveksten som skal benyttes ved reguleringen. Sist gang man brukte dette, var vel i 2002. Når det gjelder punktet om kjøpekraft, er det riktig at kjøpekraften nå går ned. Det henger sammen med den krevende situasjonen vi ser på arbeidsmarkedet, hvor også lønnstakerne nå må bære en stor kostnad ved å ha en svært moderat lønnsutvikling, for ikke å si nedgang for mange. På mange måter kan man si at det vi nå ser, er pensjonsreformens første fartsdump. Det er nå vi for første gang møter utfordringene ved forliket, og det er nå vi for første gang kan teste ut om vi også klarer å stå ved det man vedtok den gangen man bestemte seg for det. Pensjonene har hatt en veldig god utvikling takket være gode år for lønnstakerne og takket være denne reguleringen, som også har gitt en bedre lønnsutvikling for pensjonistene enn det de ellers ville ha fått. Nå er det krevende for arbeidstakerne, og da er konsekvensen også at det er krevende for

hele den økonomiske fordelingspolitikken. Det er fordelingspolitikken som er det sentrale, og det å bruke budsjetteknikk må ikke være et skalkeskjul for å endre realitetene. Det å flytte dette til høsten oppfattes av mange som sandpåstrøing, som også representanten Rotevatn var inne på. Mitt spørsmål er ganske enkelt: Arbeider regjeringa for å flytte behandlinga av flere inntektsoppgjør til høsten? Nei. Dermed er

Høyre og Fremskrittspartiet mener nå at det ikke er nødvendig for Stortinget å behandle trygdeoppgjøret på vanlig måte. I fjor mente de det motsatte. Nå mener de det er nok å behandle det i form av en melding. Jeg minner om Pensjonistforbundet, som i høringa til budsjettet for 2016 sa at den nye budsjettpraksisen i realiteten ville undergrave drøftingsretten. Drøftingsretten er knesatt i pensjonsforliket, og Arbeiderpartiet står fast ved dette. Drøftingsretten skal være reell. Det er bl.a. den muligheten man har hatt til å drøfte om det foreligger særlige forhold som det bør tas hensyn til. Statsråden svarte ikke på mitt spørsmål om hva hun mener ligger i organisasjonenes drøftingsrett. Statsråden mener nå at «særlige forhold» er noe annet enn at oppgjøret går i minus for andre år på rad. I fjor mente Fremskrittspartiet at ett minusoppgjør typisk var slike «særlige forhold», i år mener de det motsatte. Jeg lurer på hva de vil mene til neste år, hvis det samme skjer for tredje gang, slik regjeringa har spådd, eller i 2018, hvis det skjer for fjerde gang, særlig hvis vi i mellomtida har hatt et regjeringsskifte og Fremskrittspartiet er tilbake i opposisjon. Da kan vi jo få en ny og interessant dreining i denne debatten. Når det gjelder resultatet av oppgjøret, er Arbeiderpartiet opptatt av at vi ikke skal skape falske forventninger til at årets trygdeoppgjør ville blitt et annet med oss i regjering. Det vet vi ikke, og da skal vi også være så ærlige og si det klart og tydelig. Men vi er opptatt av at Stortingets løfter skal holdes. Pensjonsforliket sier at løpende pensjoner skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, og at en valgte av forenklingshensyn en teknisk løsning for lønnsutvikling minus 0,75 pst., vel vitende om at det kunne føre til en negativ kjøpekraftsutvikling for pensjonister i år der lønnsmottakerne fikk et pluss på under 0,75 pst., men basert på historiske tall anså man denne risikoen for lite sannsynlig. Nå har det likevel skjedd, i 2015 og i 2016, regjeringa tror det vil skje i 2017 og i 2018. Men igjen tilbake til at i RNB med å trekke inn skattekutt og pensjonsendringer. På godt norsk kaller vi det gjerne å gi bort og ta igjen. Fordelingsvirkningene kamufleres ytterligere ved at de beskrives ved hjelp av en gjennomsnittspensjonist – hvem nå det måtte være. Det viser jo bare hvor nødvendig det er at trygdeoppgjørene presenteres for Stortinget, for det grunnlaget vi nå har fått i RNB for å drøfte trygdeoppgjøret, sier oss ingen ting. La meg starte med å si, som representanten Ropstad, at vi står ved pensjonsforliket og er

å forsvare og forklare. Nettopp derfor er jeg veldig skuffet over at vi ikke lenger i framtida skal behandle trygdeoppgjøret som egen sak, fordi tidligere statsråd Eriksson sa at trygdeoppgjøret skulle legges fram som før, og stortingsflertallet sa i fjor, da de begrunnet å flytte kontoer, at det ikke skulle bli noen endring eller påvirkning av gjennomføringen av trygdeoppgjøret. trygdeoppgjøret. Når regjeringa nå velger, uten at det har blitt sagt klart og konkret noen gang tidligere, å droppe en egen sak om trygdeoppgjøret, skjønner jeg at pensjonistenes organisasjoner føler seg lurt. Det er nemlig, og har vært fram til nå, en vesentlig del av trygdeoppgjøret at det legges fram en egen sak til godkjenning i Stortinget, der deres meninger kan komme til uttrykk og vi får en sak i tilknytning til trygdeoppgjøret. Bare for ordens skyld, så representanten Wiborg ikke skal misbruke at det står en merknad som vi ikke er med på, om at det skal legges fram en sak i forbindelse med statsbudsjettet i 2016 – man pleier jo ofte å vrenge og vri på sånne ting – kan jeg bare si at det har ikke vi noe imot. Vi har altså ikke stemt imot det – det kommer for øvrig heller ikke til avstemning. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at det er ikke et svar på behovet for å ha en reell diskusjon om trygdeoppgjøret når det skjer. Jeg hadde skjønt det hvis statsråden hadde vært ærlig og sagt at det var viktig for regjeringa å unngå det politiske spillet som var i forbindelse med fjorårets behandling av trygdeoppgjøret. Da kom det ut et strateginotat som handlet om at en ikke skulle få til noe i Stortinget, men alle andre partier enn Fremskrittspartiet skulle få skylda. Det var ikke verdig. Men det kan ikke brukes som et påskudd til til ikke å ha en respektfull måte å diskutere trygdeoppgjøret på, stå oppreist og svare på spørsmål fra de mange, ikke bare pensjonister, men mange flere som er omfattet av trygdeoppgjøret. Det som sies om at det skal legges fram en sak på høsten, blir et fikenblad, for vi får ingen diskusjon av trygdeoppgjøret når det faktisk er gjennomført, med godkjenning i Stortinget. Det syns vi er synd, og jeg syns det spesielt fordi jeg vil stå ved den avtalen mange partier har om pensjonsoppgjøret og pensjonsreformen, men da får vi spille med åpne kort og ikke forandre spillereglene underveis. Det skjønner jeg at pensjonistenes organisasjoner føler at de nå har blitt utsatt for. Jeg skal ikke beskylde representanten Dag Terje Andersen

men jeg skjønner godt at representanten Andersen ønsker å kamuflere Arbeiderpartiets politikk, eller kuttpolitikk, overfor landets pensjonister. Så var representanten Lise Christoffersen også her oppe med kraftfulle angrep mot Fremskrittspartiet. Hun tok opp drøftingsretten. Jeg må da minne representanten Lise Christoffersen på at det var Arbeiderpartiet som fjernet forhandlingsretten for landets pensjonister. Fremskrittspartiet var uenig i det, men Lise Christoffersen og Arbeiderpartiet sto i bresjen for det. Flere av oss var på en debatt i regi i Pensjonistforbundet i går, og da vi hørte hva som ble sagt der, og her i salen i dag, er jeg i hvert fall glad for at Arbeiderpartiet nå er ærlig på at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gi pensjonistene mer for det er korrekt, hvis man går inn og ser hvordan Arbeiderpartiet faktisk har stemt i denne sal i flere saker. Realitetene er at Arbeiderpartiet ønsker å gi pensjonistene mindre enn det denne regjeringen gjør og har gjort. Arbeiderpartiet var sterkt motstandere av å redusere avkortningen for gifte og samboende pensjonister. Arbeiderpartiet ønsker nå å sende en regning på 8 000 kr i mindre pensjon til gifte og samboende pensjonister. Det synes Fremskrittspartiet er urimelig. Arbeiderpartiet ønsker å øke skattebyrden for landets pensjonister. Det synes Fremskrittspartiet er urimelig. Men det er kanskje grunnen til at Arbeiderpartiet nå ønsker å

Lise Christoffersen var inne på historien i sitt innlegg, og jeg kan bekrefte alt hun sa i sitt innlegg om at det var store debatter rundt dette. Forsikringen da, og det som lå til grunn for Stortingets behandling, var at man antok at det som nå har skjedd, ikke ville skje – og i hvert fall ikke ofte. Og så skjer det. Da er spørsmålet om det ikke er «særlige forhold».

at det kom som det gjorde, og at det skulle gjemmes bort blant andre saker, fordi det nettopp er en stor og viktig sak som angår mange, og fordi resultatet av trygdeoppgjøret nå har mye mer i seg av system, enda mer enn før. Det betyr at vi som skal vedta dette, også må være villig til å se på det når det kommer.

Neste taler er representanten

stå på sine primærstandpunkt og gi alle andre skylden. Da er det viktig å huske på dette: På hvem sin post er det pensjonistene nå taper kjøpekraft for andre år på rad? Hvem sine prognoser er det som sier at det også skal skje de nærmeste årene? Hvem sin regjering er det som ikke har planer om å foreta seg noen ting som helst, og ikke engang kan svare på hva som skulle være særskilte, gode og spesielle grunner til å se bort fra en ren matematisk forståelse av en politisk reform? Det er Fremskrittspartiets regjering. Det er på Fremskrittspartiets post pensjonistene taper kjøpekraft. kjøpekraft. Det er greit å tape, men da får man ta det ansvaret det er å være en del av et flertall, og stå på et politisk grunnlag framfor å drive og slå i luften i «hytt og gevær» og sitte i ro mens man skylder på andre. Jeg minner også om at utgangspunktet for denne saken var at trygdeoppgjøret overhodet ikke skulle diskuteres som egen sak før etter valget i 2017, for det var ikke snakk om noen stortingsmelding da vi la fram vårt forslag. Da var det ingen selvsagt enighet om sakens viktighet

Da er Stortinget klar til å gå til votering. Før vi starter på voteringen i sak nr. 1, gir jeg ordet til Marit Nybakk, Jeg vil anbefale Arbeiderpartiets gruppe å støtte innstillingen, men i tillegg – på bakgrunn av den debatten vi har hatt i saken i dag, og ønsket om at Stortinget står mest mulig samlet i en sak som dette – også anbefale Arbeiderpartiet å stemme for SVs forslag slik at det blir mulig å finne fram til et samlende balansepunkt når det gjelder hvordan vi best sikrer en praktikabel åpenhet om selskapsinteresser som skal registreres.

Det voteres over lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Lovvedtakene vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt seks forslag. Det er forslagene nr. 1–4, fra Geir Jørgen Bekkevold på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 5 og 6, fra Terje Breivik på vegne av Venstre

Det voteres først over bokstav A I § 2 første ledd. Under debatten har alle partier varslet at de vil stemme imot denne paragrafen. Det voteres

54 stemmer mot og 50 stemmer for forslaget. Har alle stemt riktig? – Så synes ikke, så da tror jeg vi annullerer voteringen og prøver en gang til.

Det voteres først over komiteens innstilling til I § 62 nr. 2 og § 70 nytt femte punktum samt II § 17 andre ledd bokstav d og ny bokstav e. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot. Det voteres